siden fradraget jo ikke skal gå til standardheving, men kun til vedlikehold. I tillegg er skattefradrag en fordel som kommer dem til gode som har gode inntekter og høy skatt. Mange eiere av fredede bygg vil ikke ha noen som helst fordel av et skattefradrag. Det er derfor riktigere å satse på tilskudd for å dekke merkostnadene ved å ta hånd om Opposisjonen fremmer også et forslag om gjenoppretting av Kulturminnefondet, et fond som ble avviklet i 2013 og erstattet med en bevilgning. Det førte til, ifølge Kulturminnefondets direktør, at man fikk 6 mill. kr mer til Kulturminnefondets formål. Fremskrittspartiet foreslår at staten skal ta ansvaret for arkeologiske utgravinger, og Høyre og Kristelig Folkeparti foreslår en litt kryptisk formulering at regjeringa skal utrede en modell som gir bedre balanse mellom beslutningen om utgraving og kostnader og finansiering av denne. Det er nettopp det som er problemet. Det kan være mange forhold knyttet til utnyttingen av en tomt, ett av dem kan være behovet for arkeologiske utgravinger. Staten har neppe ubegrenset økonomi til å foreta utgravinger alle mulige steder der det kan være fornminner. Det vil da være behov for en prioritering. Jeg tror nok at mange utbyggere heller vil tenke seg å ta kostnadene knyttet til tomta sjøl enn å stå i en statlig kø. Jeg kan vanskelig tenke meg at en E18-utbygging eller bygging av et varehus for IKEA blir utsatt i ti år fordi de skal stå i en kø for prioritering av en statlig arkeologisk utgraving. For mindre private foretak fins det allerede i dag støtteordninger.
historia om Noreg. Dei lærer oss om kva som var, kunnskap om notida og gjev oss rotfeste inn i framtida. Så gjev det oss kunnskap om ein nasjonal identitet i møte med andre. Vi har eit ansvar for å bevare kulturminna nettopp for å fortelje historia om Noreg vidare til nye generasjonar. Difor er kulturminnepolitikken viktig. Gjennom løyvingar, tilrådingar og krav prøver vi heile tida å finne den rette balansen som gjer at vi til kvar tid tek vare på dei viktigaste og mest verdifulle av kulturminna våre. Vi vil aldri klare å ta vare på alt. Det skal vi heller ikkje, men vi må ta vare på nok til at dei som kjem etter oss, får eit innsyn i korleis vi og dei rett og slett få lære historia om Noreg. Senterpartiet si politiske linje om at berekraftig bruk ofte er det beste vern, passar godt inn – ikkje minst i kulturminnepolitikken. Gjennom bruk av kulturminna sikrar vi verdiskaping og vedlikehald. Aktiv bruk av kulturminna gjev oss høve til å ta vare på ei mykje større breidd av kulturminne for ettertida enn dersom passivt vern ligg til grunn for kulturminnepolitikken. Dette har vi mange gode eksempel på rundt om i landet vårt. Ikkje minst gjer det store innslaget av privat eige av kulturminne at kreativiteten og innsatsen kring berekraftig bruk er stor. Det er all grunn til å ta av seg hatten for den store innsatsen som frivillige organisasjonar og private eigarar legg ned i kulturminnebevaring. Vi må slå fast utan nokon førehald at vi aldri hadde hatt dei verdiane vi har, den mengda vi har, og den breidda vi har av kulturminne, om det ikkje hadde vore for den frivillige innsatsen frå organisasjonane og eigarane. Vi skuldar difor desse ei stor takk – også for å ha ein kulturminnepolitikk som legg til rette for at dei aktivt bidreg til at dei kan halde fram dette arbeidet. Det handlar frå Senterpartiet si side om at vi må styrke dei økonomiske incentiva for å ta vare på kulturminne – slik meldinga legg opp til, og sikre at midlane blir brukte effektivt og utan unødig byråkrati, og at midlane er lett tilgjengelege for dei som vil ta vare på kulturarven vår. Det handlar om at reglar og tilrådingar blir utforma i lag med dei som eig og ikkje blir trykte nedover hovuda deira. Det handlar om at prosessar som fredingsgjennomgang eller andre liknande registreringar respekterer at ein er inne på folk sin private eigedom – ja endåtil inni husa der folk lever liva sine – og at dette sjølvsagt må skje med den nødvendige respekt for privatliv og eigedomsrett. Frå Senterpartiet si side er vi glade for dei signala meldinga gjev om ein tettare og betre dialog med dei private eigarane. Det er også understreka frå komiteen si side, og det er svært viktig at departementet følgjer opp dette. Organisasjonar som er vener av kulturminnearbeidet, legg kvart år ned ein stor innsats for å ta vare på historia om Noreg. Det er viktig at desse også får rammer for organisasjonsarbeidet som legg til rette for vidare innsats. Her ynskjer eg

Mange tunge saker innan energi- og miljøfeltet fører til at kulturminnepolitikken av og til ramlar litt ned mellom alle stolar. Eg meiner vi må vere opne for ein diskusjon om kvar kulturminnepolitikken skal vere plassert i storting og regjering. Koblinga til historie, formidling og tilrettelegging gjer at ei plassering

langt på vei enig i det representanten Sande nettopp sa. Det er i hvert fall en debatt som er viktig å ta. Jeg vil takke saksordføreren for en grundig jobb i saken, for gode merknader og arbeid. Den forrige kulturminnemeldingen, St.meld. nr. 16 for Den forrige kulturminnemeldingen, St.meld. nr. 16 for 2004–2005 Leve med kulturminner ble framlagt av Bondevik II-regjeringen med daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide. Ved behandling av meldingen satt Stortinget som nasjonalt resultatmål nr. 1 at det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer skal minimaliseres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 pst. årlig. Ifølge Fortidsminneforeningen er beregnet tap i dag minimum 1,5 pst. I dag behandler Stortinget en ny kulturminnemelding kalt Framtid med fotfeste. Meldingen skal tydeliggjøre hvilke utfordringer som gjenstår for at vi innen 2020 skal nå målene som ble vedtatt i Stortinget i 2005. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full hvis jeg sier at denne meldingen føles litt som tilløp uten hopp. Det er en melding som er god på beskrivelse og dårlig på tiltak. Det er kanskje derfor den ble fremmet så mye på overtid – samtidig med mer enn 100 andre overtidssaker. Siden forrige melding har regjeringen fjernet et av de viktigste virkemidlene i kulturminnepolitikken: Kulturminnefondet. Det vil si: Kulturminnefondet er der fortsatt i navnet, men selve fondet som skulle sørge for finansiering, er fjernet. En sikker og stabil fondsløsning er erstattet med årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Riksantikvaren har fastslått at overføringene til kulturminnevernet må øke betraktelig dersom målet fra 2005 skal nås. Det er Kristelig Folkeparti enig i. Det mest gledelige med denne meldingen er derfor ikke alle beskrivelsene fra regjeringen, men forslagene som vi i opposisjonen har samlet oss om i innstillingen. De viser hvilken politikk alle som er opptatt av kulturminnevern, kan vente seg etter valget hvis det blir et nytt flertall. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti fremmer i dag forslag om innføring av fradrag i skattepliktig inntekt for kostnader til vedlikehold av fredede bygg utenfor virksomhet. Vi vil innføre moms- og fradragskompensasjon for pliktig vedlikehold av fredede bygg i privat eie. Vi foreslår også å avvikle kommunenes adgang til å ilegge eiendomsskatt på fredede bygg i privat eie – akkurat som Riksantikvaren har bedt om. Dette er svært målrettede tiltak som vil frigjøre store beløp til vedlikehold av fredede kulturminner og bringe oss nærmere målet om å redusere tapet av verneverdige kulturminner. Jeg antar at også Venstre støtter mange av forslagene. Disse tre partiene foreslår også å gjenopprette Kulturminnefondet som fond i statsbudsjettet for 2014. Av våre merknader kommer det fram at vi ønsker en forutsigbar avkastning av fondet og dermed Dette kan ivaretas gjennom å sette avkastningen av fondet lik avkastningen av SPU på 4 pst. Dette grepet vil alene doble tilgjengelige midler til vedlikehold av kulturminner. Ifølge Riksantikvarens Utviklingsnett har to av tre kommuner i Norge ikke vedtatt plan med fokus på kulturminner og kulturmiljøer. Mange av de vedtatte planene er av eldre dato. Samtidig vet vi at mange kommuner ønsker seg kulturminneplaner for bedre å kunne forvalte kulturminnene i kommunen. Med en kulturminneplan vil kultur- og skoleetatene kunne bruke kulturminnene til å skape gode opplevelser. Næringslivet kan utvikle gode tilbud basert på kulturarven, og eierne og andre berørte får større forutsigbarhet og mulighet for hjelp og støtte til bruk og vedlikehold. Kristelig Folkeparti mener at kommunene må gis sterkere insentiver til å utarbeide kulturminneplaner. kulturminneplaner. Derfor bør det opprettes en ny tilskuddsordning for utarbeidelse av kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljø i norske kommuner. Den beste måten å sørge for en bedre og mer offensiv politikk på for bevaring av kulturminner er å stemme inn et nytt flertall ved stortingsvalget til høsten. Nå har mange her gjentatt hvor viktig det er å ta vare på kulturminner, både som del av vår historie og som grunnlag for verdiskaping og vekst i

Vi må huske på at vi er ganske heldige i Norge i forhold til de utfordringene mange andre land har. Det er jo ikke mange kulturminner å ta vare på i Norge sammenliknet med veldig mange andre land. Hvis man f.eks. drar til St. Petersburg, ser man hvor stor del av bygningsmassen i den byen som skal tas vare på og holdes i hevd. Vi klager over å ha ett slott og et par andre små bygninger i sentrum av Oslo, men det er jo ingen ting mot det mange andre nasjoner står overfor. Eller hvis man drar til Hellas, der man for hver egen T-banestasjon i sentrum har laget et nytt museum. Og jeg tenker: Hvordan hadde det gått i disse landene hvis man hadde hatt en så stor del av privatisering av utgiftene til kulturminnevern Derfor kommer Venstre til å stemme for forslag nr. 3 når det gjelder arkeologiske utgravinger. Jeg skjønte ikke helt SVs innlegg, for problemet for mange utbyggere i dag er at det for private utbyggere blir veldig dyrt, og at man kvier seg for å gjøre det og for å fortelle om ting. Alle har vi hørt historier om store gårder der vikingsverdene ligger godt skjult i kjelleren fordi man ikke vil fortelle at man fant det da man pløyde på åkeren. Men den store utfordringa på den andre sida er alle de store utbyggerne som må vente så lenge. Tid er den kritiske fasen i et stort byggeprosjekt når man møter arkeologiske utfordringer. Når man da ser hvor lave bøter man får for å bryte loven – som f.eks. at NSB får en bot på litt over når de kaster et middelalderskip på dynga, når de lager parkeringshus – da ser man at det ikke er balanse i dette. Jeg tror man må tenke kreativt i bruken av arkeologer. Nå er det bare offisielle arkeologer på offisielle oppdrag som får lov til å gjøre slike jobber. Jeg mener at man burde hatt en sertifisering av hvilke arkeologer som kan ta sånne jobber, sånn at det er mulig for entreprenører å kunne betale for å få en raskere utgraving av et område. Så må vi huske på at det heller ikke er balanse i det som var store inntektskilder før, som gjør at man sitter på store kulturminner i dag. Det er problemet for veldig mange som bor på mitt språk kalles storgårder, der inntektsgrunnlaget ikke henger sammen med bygningsmassen i dag, fordi inntektsgrunnlaget i landbruket har blitt veldig annerledes, og er bygd på andre faktorer. Det er andre ting som er dyrt. Alle vi som har prøvd å rekonstruere noe som er 150 år gammelt, har merket at det som var dyrt da, nemlig materialer, er billig i dag, mens det som var billig da, nemlig arbeidskraft, er dyrt i dag. dag. Det betyr at vi får andre utfordringer for å ta vare på kulturminnene. I dag har vi fremmet fem forslag til saken. Jeg vil ta dem opp, og jeg varsler også at vi vil stemme for forslagene nr. 1, 2 og 3 i saken. Det første forslaget gjelder den utfordringa man har som bypolitiker når man skal ta vare på kulturminner, og man stadig vekk opplever mer av spekulativt bygningsforfall – at de som sitter og forvalter kulturminner, spekulerer i forfallet for å sørge for at man skal slippe å ta ansvaret. Det har vi fremmet forslag om i forbindelse med plan- og bygningsloven, og vi fremmer også forslaget her. Vi er også opptatt av fartøyvern, og det å kunne styrke de små og verneverdige fagene og konserveringshåndverk i norsk utdanningssystem. Det har vi tatt opp forslag om tidligere, men vi fremmer det også her i dag. Så til slutt til forslag nr. 9, som vi fremmer. Jeg tror at en av de viktigste tingene vi kan gjøre for å få mer økonomisk bærekraftige løsninger, og klare å få opp engasjementet blant folk på kulturminnevern, er å styrke de ideelle organisasjonene som jobber innenfor området. De gjør en veldig stor jobb, og gjennom å styrke dem kan man få mye ut av pengene. Representanten

Å ta vare på kulturminne er derfor eit framtidsprosjekt. Sjølv om vi ikkje veit korleis framtida vert, veit vi nokre viktige utviklingstrekk som vil prege samfunnet vårt framover. Dette er utviklingstrekk som òg vil påverke viktige kulturminneverdiar. Med det som bakteppe peiker meldinga på nokre viktige strategiske vegval. Det er nå åtte år sidan førre gong Stortinget drøfta ei stortingsmelding om Det var ei melding som la vekt på kunnskap, oppleving og bruk, der moglegheiter vart framheva framfor avgrensingar. Meldinga hadde eit høgt ambisjonsnivå og klare mål fram mot 2020. I framtida må fotfestet vise regjeringa kva som så langt er gjort på feltet, korleis vi skal målrette innsatsen dei komande åra, kva som må styrkast, og korleis vi skal forvalte kulturminneverdiane i lys av dei Ambisjonane og måla frå den førre kulturminnemeldinga skal framleis gjelde, men eg vil understreke at 2020-måla er ambisiøse. Nettopp derfor har det i denne meldinga vore viktig å halde oppe dei ambisjonane og vise korleis vi kan nå dei. I dei to neste tiåra vil befolkningsvekst og urbanisering vere blant dei sterkaste trendane. Tre fjerdedelar av befolkningsveksten vil kome i fire storbyregionar. Dette vil setje press på natur, klimagassutslepp og ikkje minst kulturminne. Bygningar, kvartal og historiske strukturar i byane representerer store kulturhistoriske verdiar. Dei er med på å gi byane særpreg. Dei gir eit stort potensial for verdiskaping og er viktige i eit berekraftperspektiv. For å få til vellykka byutvikling må ein ha både kunnskap om og vilje til å ta vare på og vidareutvikle kvalitetane. Eit anna eksempel er klimaendringane – endringar som på kort sikt vil kunne gjere stor skade på viktige kulturminne. Ei aukande internasjonalisering vil òg prege samfunnet vårt framover. Kulturminne og kunnskap om fortida kan bidra til forståing, identitet og stabilitet i eit samfunn i endring. Rundt om i verda vert kulturminne trua av utbygging, naturkatastrofar og konfliktar. Internasjonalt samarbeid er derfor viktig, og Når det gjeld forvaltninga av våre eigne verdsarvområde, er det behov for å jobbe vidare med å konkretisere politikken og sikre ei betre koordinering av dei statlege verkemidla. Kunnskap og kompetanse er viktig for å sikre like vilkår for sakshandsaming og ikkje minst for å sikre kulturminneforvaltninga gode styringsdata. Det er avgjerande at kommunar har tilstrekkeleg kompetanse og kunnskap om og engasjement for dei kulturminneverdiane dei forvaltar. Handverkskompetanse er òg avgjerande for å kunne vedlikehalde bygningar og fartøy, og vi foreslår derfor grep i denne meldinga for å styrke arbeidet med kompetanse – ikkje minst handverkskompetanse. Når historia skal forteljast, må heile bildet med. Det er derfor viktig å prioritere heilskaplege kulturmiljø, kulturminne frå krigen og ulike minoritetsgrupper sine kulturminne. Det same gjeld kulturminne som har betydd mykje for mange, som f.eks. skular, samlingshus og Det betyr ikkje at alt skal fredast, men eit heilskapleg bilde må ligge til grunn for dei prioriteringane kulturminneforvaltninga gjer. Eigarar og frivillige aktørar tar eit stort ansvar og gjer ein uvurderleg innsats for å ta vare på fredingsverdige kulturminne. Dei spelar ei nøkkelrolle i vernearbeidet. Det er derfor viktig å vidareutvikle og styrke samarbeidet med eigarar og frivillige organisasjonar, for gode, føreseielege og effektive fredingsprosessar. Gjennom smartare måtar å jobbe på og ein meir målretta ressursbruk skal vi verte betre i stand til å forvalte kulturminna som ein viktig ressurs for framtida – ei framtid med fotfeste. I tillegg vil det krevjast at vi fortset den aukinga av løyvingane som den raud-grøne regjeringa har lagt opp til. Så vil eg få kome med eit par kommentarar. er til bildet av at vi har veldig få kulturminne i Noreg. Vi har få slott, men vi har ufatteleg rikdom av kulturminne. For kulturminne er forteljinga om heile vår historie – alle spora vi set etter oss frå vår eigen kultur. Det er nettopp det breie bildet som vi må teikne. Det viser òg kor store utfordringar vi har. Til slutt: Eg kan vere einig i at det er stor merksemd om kulturminne lokalt, og kanskje for lite i denne salen. Derfor vil eg seie takk for sist til komiteen. Eg hadde gleda av å invitere dei til Son, hadde ein gjennomgang av kulturminna der, og tok dei med ut og viste dei ein av dei flotte stadene i Noreg der kulturminne dominerer korleis vi lever i dag. Det åpnes for replikkordskifte.

de skal gå tapt. Er statsråden enig i dette, og vil han starte en utredning for å se på dette med bygningsvernsentre? Eg synest det er ein interessant tanke, så eg skal ikkje avvise at vi skal sjå på det. Eg trur dette er eit område der vi må erkjenne at erkjenne at det ikkje er ei enkel oppgåve å sikre den nødvendige kompetansen og handverket. Det er ikkje noko ein kan gje løyve for å kome seg ut av, for det krev mykje. Det kan vere eitt svar. I denne meldinga varslar vi nokre andre, bl.a. ei styrking når det gjeld vidare- og etterutdanning gjennom samarbeid med næringane og Vox. Det trur eg kan vere eit viktig bidrag for folk som er handverkarar, og som vil spesialisere seg og ta noko ekstra. Vi varslar arbeid med ei bachelorutdanning, altså på eit enda høgare nivå. Men det er ingen tvil om at vi må finne grep som sikrar at vi kan behalde og av og til finne tilbake igjen den kunnskapen som ein hadde i fortida, og som er viktig for å ta vare på kulturminna. Eg trur eg vil seie det sånn at eg tar med meg alle innspel og synspunkt med

som skal vurderes, utredes og videreføres, men det er veldig lite nytt. Er dette, etter statsrådens mening, nok for å nå de målene denne salen har satt seg? Dette legg eit godt grunnlag for å nå måla i 2020, men vi vil vere heilt avhengige av ei årleg oppfølging. Lat meg først nyansere biletet av situasjonen. Det er riktig at det er formidable utfordringar for å nå måla, men det er òg gjort betydelege framskritt. Dersom ein går gjennom tala, ser ein f.eks. at delen av private bygningar der det er eit stort behov for å gjere noko, har gått ganske kraftig ned dei seinare åra. Eg meiner å hugse at representanten Astrup sjølv var innom stavkyrkjene i sitt innlegg – der har det vorte gjort ei betydeleg forbetring. Det er òg framsteg på andre område, sjølv om det ikkje er like Kva må til for å nå måla? For det første må vi klare å få til ein systematisk auke i løyvingane. I budsjettet for i år auka vi feltet med 40 mill. kr til bevaringsprogrammet. Eg meiner å hugse at det var rundt 12,5 pst., altså betydeleg over det dei fleste områda fekk. Men i tillegg til løyvingar vil kompetanse, kunnskap, vere viktig. Vi lanserer nettopp no nye grep som kan få meir dreis på det feltet. Det er et spørsmål jeg har lyst til
aktører, i alle fall

tar vare på eller utvikler disse områdene. Vi har ønsket at kommunene, både i plan- og bygningsloven og i de andre lovene, skal ha et større ris bak speilet for å kunne gripe inn overfor spekulativt forfall. Mitt spørsmål er: Hvorfor er det så vanskelig for regjeringa å gi kommunene makt til å stoppe nettopp disse

om utbetring av bevaringsverdige bygningar. Noko av bakgrunnen for det er å gi kommunane eit tøffare maktmiddel i dei tilfella det kan dokumenterast. Så vil eg seie at det er eit nyansert bilete, men mitt inntrykk er at hovudbiletet er at private eigarar – og andre som har ansvar for kulturminne – har stort engasjement og interesse for det, og at det er mogleg å finne ut av det med dialog. Det var likevel riktig, etter vår oppfatning, å gi kommunane den moglegheita til å påleggje utbetring som dei no har fått. Jeg er godt kjent med det, men vi ville nok hatt sterkere virkemidler, for vi ser at kommunene de eierne som er det store grosset som statsråden snakker om – de som virkelig bryr seg – mens noen virkelig boikotter og trenerer. Det vi også ser, f.eks. i mitt nabolag i Gamlebyen i Oslo, er at NSB går inn og skal bygge et parkeringshus, oppdager et middelalderskip og kaster det i søpla, fordi det er mye mer lønnsomt å kaste det i søpla, for da får du 100 000 i bot – i motsetning til å sette seg ned og vente på at arkeologene skal komme og ta det opp. Er ikke statsråden bekymret for det som skjer, spesielt i byene? Dette skjer spesielt i forbindelse med byenes kulturminner, fordi det er så mye penger som står på spill, og det er så mye penger å tjene på både spekulativt forfall og det å kaste arkeologi på dynga – bokstavelig talt. Eg vil berre få seie at det var jo den bekymringa som var bakgrunnen for den heimelen til kommunane som vi tidlegare ikkje hadde. Mi oppfatning er at det er eit maktmiddel som dei vil kunne ta i bruk. Eg vil oppfordre kommunane til å gjere det i der ein ser at det faktisk er aktørar som ikkje følgjer opp lovverket, og som fjernar kulturminne. Eg trur at det vil vere eit verkemiddel som kan fungere, og som kan gjere noko med dette problemet. Så vil eg likevel leggje til at eg trur ikkje det er hovudbiletet. Eg trur hovudbiletet er eit anna, og at det er mangel på tilgjengeleg kompetanse og ein ressurssituasjon, som vi gradvis forsøkjer å betre, som er det viktigaste verkemiddelet. Replikkordskiftet er omme. Kulturminne er

må det vere samsvar mellom målsettinga om å ta vare på kulturminne og kostnader og ulemper som følgjer av dette. Dette gjeld ikkje minst for arkeologiske utgravingar. I dag er det dessverre slik at mange opplever at arkeologiske utgravingar er svært kostnadskrevjande og byråkratiske, og at det tek lang tid å få frigjort areal. I slutten av januar besøkte eg Hole Traktor & Maskin på Byrkjelo i Gloppen kommune. Der ønskte eigaren å utvide verkstaden sin, men møtte store vanskar på grunn av at det blei gjort funn under arkeologiske føregranskingar, og det var sett krav om arkeologiske utgravingar før området blei frigjeve. Det måtte gravast ut to felt på dyrka mark ved sida av verkstaden, som skulle utvidast. Kostnaden for utgraving av lokalitet nr. 1 var 473 756 kr, og kostnaden for lokalitet nr. 2 var Totalt ville dette koste nærmare 1 mill. kr, og bedrifta måtte ta alle desse kostnadene. For eigaren av Hole Traktor & Maskin er dette svært urimeleg. Dersom ein må betale 1 mill. kr før ein i det heile kan starte med utbygging, seier det seg sjølv at dette blir vanskeleg. Det må vere lov til å stille spørsmål om korleis det kan vere mogleg at det skal koste så mykje for å grave ut eit så lite område, og om ikkje utgravinga kunne organiserast på ein langt enklare måte. Eit anna spørsmål er om det er rett at den same etaten som skal føreta utgraving, også er den som set vilkåra for kva som skal gravast ut, og korleis det skal gjerast. Her kan det lett bli bukken og havresekken. Høgre meiner det er viktig at ein kan lette på vernet for kulturminne det er mange av, f.eks. dyregraver og kolgroper. Høgre meiner også at meir ansvar skal overførast til lokal forvaltning av kulturminne. Høgre meiner i tillegg at staten må ta eit større finansielt ansvar for kostnadene som er knytte til arkeologiske utgravingar. Høgre føreslår at det bør utgreiast ein modell for prioritering og finansiering av arkeologiske utgravingar som gjev betre balanse mellom avgjerd om utgraving og kostnader og finansiering av utgravinga. Det er merkeleg at regjeringspartia ikkje er med på dette framlegget. Representanten Egeland forstår ikkje kva som ligg i dette, men eg hadde trudd at kanskje Senterpartiet forsto betre kva som ligg i eit slikt forslag, og at dei også ville støtte det forslaget som kjem frå Høgre og Kristeleg Folkeparti. Noreg er ein sjøfartsnasjon og ein fiskerinasjon, men det er Folkeparti. Noreg er ein sjøfartsnasjon og ein fiskerinasjon, men det er vel kanskje sånn at den maritime delen av kulturminnevernet har ein brukt litt tid på å kome i gang med. Vi industri frå skogforedling, vi verna bygningar, og vi verna ting frå jordbruket før vi begynte å tenkje på at maritim sektor kanskje er ein av dei grunnleggjande sektorane i norsk historie. Derfor er det veldig positivt at komiteen har kome fram til ein einstemmig merknad om fartøyvern, som eg ser har perspektiv for framtida.

Så er det ein ting som komiteen peikar spesielt på, og det er viktigheita av å få behalde tilstrekkeleg kompetanse når det gjeld rehabilitering av fartøy, ikkje minst når det gjeld stålskip. Der har eg berre lyst til å ta nokre eksempel. Ein av teknologiane, kompetansane, som faktisk kanskje finst berre ein plass i verda i dag, er å ta vare på våre skoleskip. Eit skip som skoleskipet «Sørlandet» og fleire andre skoleskip er klinka – dei er ikkje sveisa. I dag er det kanskje berre ein plass i verda ein framleis kan klinke slik at det blir vasstett, og det skal det helst vere dersom det er eit skip vi snakkar om. Då skoleskipet «Sørlandet» skulle rehabiliterast, blei det sendt på anbod og endte opp i Tyrkia. Men tyrkarane måtte kome til Kristiansand for å få klinkekompetanse. Det var ingen andre plassar i verda dei kunne finne nokon med klinkekompetanse, nokon som klinka eit skip tett.

i dag er det en lykkelig huseier som har funnet et kloster i hagen sin. Han kan fortelle en annen historie. Han ble sjokkert over at han måtte betale utgravinga. Men det er jo sånn at det fins tilskudd, og at staten dekker utgravinger for slike private huseiere. Jeg tror det er veldig viktig at ansvaret for utgravinger ligger på grunneier, som andre egenskaper ved en eiendom faktisk ligger på grunneier, enten det er tomtens beskaffenhet – om den er bratt eller har dårlig grunn, om det går vannledninger eller kloakkledninger der. Det betyr at større utbyggere må ta med seg kostnadene for utgravinger i sine prosjekter. Jeg er overbevist om at det at det som foreslås som en ordning, at staten skal overta ansvaret, ville i hvert fall føre til at tomtene ville bli frigitt mye senere. Så man kan ha forståelse for noe av Lødemels historie omkring utgravinger, men Høyre og Fremskrittspartiet peker jo på løsninger som bare kommer til å gjøre dette verre, dessverre. Flere har ikke bedt om ordet til sak
innstilling, men det er greit. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.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
vedtatt. Med fremleggelsen av denne forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak har samtlige av våre havområder blitt omfattet av forvaltningsplaner, i tråd med de føringer som ble gitt da Bondevik II-regjeringen i 2002 la frem verdens første samlede havmiljømelding, St.meld. nr. 12 for 2001–2002, Rent og rikt hav. Et samlet storting stilte seg bak denne havmiljømeldingen, på samme måte som nå en samlet komite stiller seg bak forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak. Norge er en betydelig havnasjon, og vi rår over store havområder. Formålet med forvaltningsplanene våre er å legge til rette for verdiskaping gjennom en kunnskapsbasert og bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester, og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. For å ivareta alle disse hensynene er kunnskap en nødvendig forutsetning – kunnskap om status, kunnskap om sammenhenger. Nordsjøen og Skagerrak er vårt mest intensivt annet sto Nordsjøen i 2010 for rundt to tredjedeler av petroleumsproduksjonen på norsk sokkel. Videre representerer Nordsjøen og Skagerrak viktige fiskeriområder, og står for om lag 25 pst. av den nasjonale fangstverdien. I tillegg har kystlinjen til disse havområdene en stor befolkning både som fastboende, hyttefolk og andre tilreisende. Dette betyr at områdene også brukes intensivt til friluftsliv og rekreasjon. Skagerrak er landets mest benyttede område for fritidsaktiviteter knyttet til sjøen. Videre vil sannsynligvis disse områdene også være aktuelle for en eventuell fremtidig utvikling av havenergi. Denne intensive utnyttelsen av disse havområdene tilsier at ulike hensyn må balanseres på en god, Vi må også ivareta et internasjonalt samarbeid fordi Nordsjøen og Skagerrak deles mellom åtte land, nemlig Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Disse havområdene har vært og er til dels ennå utsatt for lang transportert forurensing, men miljøtilstanden har heldigvis bedret seg – bl.a. som et resultat av internasjonalt samarbeid. Dette gjelder selvfølgelig også for forvaltningen av fiskeriressursene. Det er viktig at vi klarer å forvalte bestandene på en god måte som gir grunnlag for et lønnsomt fiskeri i disse havområdene og langs denne delen av norskekysten. Komiteen understreker bl.a. betydningen av at det fra 2013 er innført et utkastforbud i EU for Skagerak. Det forventes at Nordsjøen har om lag 56 pst. av de gjenværende petroleumsressursene på norsk sokkel. Innsamling av seismikk har nok vært en kilde til konflikt mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen, men det er positivt at myndighetene har utviklet regelverk som skal skape forutsigbarhet og klare rammer for begge næringene, bl.a. gjennom kursing og kvalitetssikring av fiskerikyndige personer om bord på seismikkfartøyene. Mange personer har lagt ned et betydelig arbeid både fra fiskernes organisasjoner, Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet og petroleumsnæringen for å få dette til på en god måte.

i de siste årene har det vært tre grunnstøtinger med oljeutslipp av et visst omfang, nemlig MS «Server» i 2007, MV «Full City» i 2009 og MS «Godafoss» i 2011. Det er viktig med god slepebåtberedskap og trafikkovervåking for å hindre denne type ulykker, og en samlet komite har også vist til den prosessen som pågår for å etablere en langsiktig modell til den prosessen som pågår for å etablere en langsiktig modell for den samlede norske slepebåtberedskapen. Videre stiller komiteen seg bak tiltak for å bekjempe marin forsøpling, sikre bærekraftig høsting av fiskeribestandene, sikre bestander av sjøfugl og etablere marine verneområder og beskyttede områder, i tillegg til kunnskapsoppbygging og styrking av det internasjonale samarbeidet om disse havområdene.

Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak. Samtidig skal vi opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanen er derfor et verktøy både for verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havområdet. Som rogalending er jeg veldig klar over de enorme virkningene av næringsvirksomheten i dette området – særlig de siste 40 årene med olje- og gassvirksomhet, men også den stolte historien vi har innenfor skipsfart og annen maritim næring i området. Nordsjøen har stått for en veldig stor del av petroleumsproduksjonen på norsk sokkel, samtidig som både Nordsjøen og Skagerrak har stor fiskeriaktivitet, med om lag 25 pst. av nasjonal Det er ikke tvil om at den store aktiviteten i forvaltningsområdet har påvirket miljøtilstanden i regionen. I forvaltningsplanen er det gjennomført et godt arbeid i kartleggingen av miljøstatus i området. Det gir oss et godt kompass i det videre arbeidet, og det gir oss en oversikt som gir oss bedre redskaper til å forstå den samlede påvirkningen på miljøet i området. Jeg er veldig tilfreds med at regjeringen holder fast ved at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet i Skagerrak. Vi vil vurdere det framtidige behovet for ny kunnskap om petroleumsressursene og miljøet i Skagerrak, og det vil ikke bli igangsatt petroleumsvirksomhet i området før en slik vurdering er gjennomført. Jeg er veldig glad for at miljøtilstanden i området nå er bedre enn den tidligere har vært. Det er en positiv utvikling, som også saksordføreren var inne på. Internasjonalt og nasjonalt miljøregelverk har bidratt til det. I de områdene som vi nå diskuterer, er det også et betydelig potensial for havvind. I havvindrapporten fra 2010 ble det identifisert seks områder i Nordsjøen som er aktuelle for vindkraftutbygging til havs. Rapporten er fulgt opp av en strategisk konsekvensutredning, som anbefaler å prioritere åpning av fire av disse områdene. Det gjelder Frøyagrunnene, Utsira nord, Sørlige Nordsjø I og Sørlige Nordsjø Den strategiske konsekvensutredningen hadde høringsfrist nå i april. Ved utvelgelsen av områder for havvind er det tatt hensyn til virkningene for naturmiljøet. I den strategiske konsekvensutredningen er det derfor gjort utredninger for sjøfugl, fisk, sjøpattedyr og bunnsamfunn. Det er utredet hvordan utbygging vil påvirke petroleumsinteressene, skipstrafikken, fiskeriinteressene og Det er lagt et helhetlig perspektiv til grunn for plassering av havvindprosjekter. Vedtaket av forvaltningsplanen markerer starten på et spennende videre arbeid i regionen. I planen foreslår regjeringen en rekke tiltak som jeg mener er riktige for å øke kunnskapen om havområdene, og for å styrke reguleringen. Siden saksordføreren, Siri A. Meling, så flott refererte til dem, skal ikke jeg referere til dem en gang til. Men jeg er veldig glad for at vi nå har forvaltningsplaner for alle havområdene våre. Det gir en styrke i miljøarbeidet og en forutsigbarhet for næringslivet som jeg mener er veldig verdifull, og jeg er veldig glad for å se at enigheten i komiteen er så stor i denne saken. Nordsjøen og Skagerrak er

Saksordføreren sa at det er en samlet komité som legger fram innstilling. Men det er et viktig unntak. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti er fornøyd med at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet i Skagerrak, men den enigheten omfatter ikke Fremskrittspartiet og Høyre. I en situasjon der vi internasjonalt er forpliktet til å verne større havområder, og der hensynet til klimaet tilsier at vi ikke kan utnytte alle de fossile ressursene vi kjenner til,

I meldinga er også de marine økosystemtjenestenes betydning for verdiskaping omtalt. Fiskefangst i Nordsjøen og Skagerrak utgjør omtrent 20 pst. av den samlede verdien av norske fiskerier. Havbruksaktiviteten langs kysten som grenser til forvaltningsplanområdet, er samlet på Vestlandet. Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland innehar 31 pst. av tillatelsene til oppdrett av laks og ørret i Norge. De påvirkes også av miljøforholdene i Nordsjøen og Skagerrak. Skipstrafikken har et større omfang og er mer kompleks enn i noen av de andre havområdene. Trafikkseparasjonssystemet og anbefalte seilingsruter som ble innført i juli 2011, bidrar nå heldigvis til å få større skip og skip med farlig eller forurensende last mye lenger ut fra kysten. kysten. Målet med rutetiltakene er å redusere sannsynligheten for at en ulykke kan inntreffe, og selvfølgelig redusere konsekvensene av et eventuelt oljeutslipp. Havet og kysten har stor betydning for rekreasjon, friluftsliv og reiseliv i Norge. Kyststrekningen er meget attraktiv og mye benyttet av befolkningen. Kyst- og havmiljøet er viktig for det er et sted å utøve aktiviteter, det gir helsegevinst, og det er et viktig grunnlag for lokal næringsaktivitet. Hele 58 000 er sysselsatt i reiselivsnæringen i dette området. Så har vi begrepet «andre økosystemtjenester». Det er f.eks. havets nedbryting av skadelige organismer, det er opprettholdelse av stabiliteten i økosystemet, og det er klimaregulering. Flesteparten av slike økosystemtjenester er fellesgoder som ikke omsettes i noen markeder, og som dermed ikke har noen markedspris. Det betyr at kostnadene ved å ødelegge slike tjenester ikke inngår i bedriftskalkyler eller kommer fram i vanlige regnskap. Derfor er det også større fare for at man forringer disse tjenestene, og dermed grunnlaget for framtidig velferd. velferd. En hovedhensikt med hele systemet med forvaltningsplaner er å sørge for at disse ikke-markedsomsatte tjenestenes økonomiske verdi og økologiske betydning blir forvaltet bærekraftig. Også ikke-markedsomsatte tjenester har betydelig verdi. Det er viktig å huske på.
Neste taler er representanten

Miljøtilstanden er utfordrande, men han er i betring. Det internasjonale miljøsamarbeidet har verka. Eit anna lyspunkt er at gytebestanden av torsk i Nordsjøen no truleg passerer kritisk nivå for fyrste gong sidan 1990-talet. Det understrekar kor viktig det er med kunnskapsbasert forvaltning, og eg håpar på den same utviklinga også for andre av dei trua fiskeartane og dei trua sjøfuglbestandane. Det er også viktig at forvaltningsplanane vektlegg dei særleg verdifulle og sårbare områda. Totalvurderinga for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak tilseier at det ikkje skal opnast for petroleumsverksemd i Skagerrak no. Samtidig minner tre grunnstøytingar sidan 2007 med påfølgjande oljeutslepp oss om kor viktig det er å redusere risikoen for akutt forureining frå skipstrafikken. forureining frå skipstrafikken. I samband med det har eg lyst til å understreke representanten Egeland sitt poeng, at den innsatsen som er lagd ned kring plassering av skipsleier både i dette området og i andre område, er eit viktig grep for å hindre oljeulykker der skip er involverte, og også det som har skjedd på kapasitetsbygging kring slepebåt, som kanskje er det viktigaste enkeltgrepet ein kan gjere for å hindre denne typen ulykker. Senterpartiet støttar måla og tiltaka i forvaltningsplanen, og er derfor glad for å gi støtte til den her i

Forvaltningsplanen og tiltakene i denne omfatter i hovedsak de åpne sjøområdene i norsk del av Nordsjøen og Skagerrak, dvs. områdene utenfor grunnlinjen, i territorialfarvannet og Norges økonomiske sone nord til Stad. Kristelig Folkeparti er tilfreds med at regjeringen holder fast ved at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet i Skagerrak. Jeg har merket meg at regjeringen vil vurdere det framtidige behovet for ny kunnskap om petroleumsressursene og miljøet i Skagerrak, og at det ikke vil bli igangsatt petroleumsvirksomhet i området før en slik vurdering er gjennomført. Det er bra – men Kristelig Folkeparti ser ikke behov for å kartlegge petroleumsressursene i Skagerrak. Vi ønsker at Skagerrak skal forbli oljefritt også i framtiden. Norge må ta sin del av ansvaret for å redusere de globale utslippene av klimagasser. Dette påpekte også representanten Egeland i sitt gode innlegg. Dette betyr at noen av de gjenværende oljeressursene på norsk sokkel må bli liggende under havbunnen. Kristelig Folkeparti mener at det ikke skal åpnes for oljevirksomhet i sårbare havområder der miljø- og/eller fiskerihensyn taler for at slik aktivitet er uforsvarlig. Vi har derfor programfestet at det bør opprettes petroleumsfrie soner i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Mørebankene og kystnære områder i Skagerrak. Petroleumsfrie soner bør også opprettes i spesielt sårbare og kystnære deler av Barentshavet. Nordsjøen og Skagerrak er vårt mest intensivt utnyttede havområde og et av verdens mest trafikkerte seilingsområder. I 2010 sto Nordsjøen for om lag to tredjedeler av petroleumsproduksjonen på norsk sokkel, samtidig som både Nordsjøen og Skagerrak har stor fiskeriaktivitet med om lag 25 pst. av nasjonal fangstverdi. Kystlinjen ved Nordsjøen og Skagerrak har befolkningstette områder, en befolkning som i tillegg til reiselivsnæringen benytter havområdene til friluftsliv og rekreasjon. Skagerrak er landets mest benyttede område for friluftsaktiviteter knyttet til sjø. Nordsjøen og Skagerrak deles mellom åtte land, noe som medfører ekstra store krav til internasjonalt samarbeid om forvaltningen av disse havområdene. Kristelig Folkeparti ønsker å løfte fram det omfattende og verdifulle arbeidet som bl.a. friluftsrådene og Skjærgårdstjenesten gjør med å sikre, tilrettelegge og forvalte de over tusen sikrede friluftsområdene i dette området. De bidrar til utøvelse av oppsynsoppgaver og rydding av søppel i naturområder. Verdien av dette arbeidet så vi tydelig demonstrert under oppryddingen av utslippene etter skipsforlisene til henholdsvis «Server» og «Full City», da Skjærgårdstjenesten ved Bergen og Omland Friluftsråd og Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden gjorde en fantastisk innsats. Kristelig Folkeparti er glad for at miljøtilstanden i Nordsjøen og Skagerrak er blitt bedre enn den var tidligere. Havområdene har imidlertid fremdeles store miljøutfordringer. Blant annet har Nordsjøen og Skagerrak høyere konsentrasjon av miljøgifter enn øvrige norske havområder og det høyeste nivået av marint søppel i hele Nordøst-Atlanteren. Dette understreker betydningen av det internasjonale miljøsamarbeidet rundt Nordsjøen og Skagerrak, og den bedrede miljøtilstanden viser at denne type støtter de målene som kommer fram i forvaltningsplanen, nemlig etablering av en god miljøtilstand samt bærekraftig høsting og bruk. Til slutt har jeg lyst til å komme med et hjertesukk, for vi har behandlet en annen forvaltningsplan i løpet av dagen, nemlig forvaltningsplanen for Barentshavet sørøst: Jeg skulle gjerne hatt miljøvernministeren med i den debatten og stått på den forvaltningsplanen som gjaldt for Barentshavet. Derfor vil jeg understreke at den gode forvaltningsplanen vi får her, også må gjelde for framtiden. Jeg slutter meg til mye av det tidligere talere har sagt, og er

samt at det innebærer beredskapsmessige utfordringer, spesielt i kyst- og strandsonen. Venstre foreslår at det etableres en sone langs kysten hvor det ikke skal igangsettes ny petroleumsvirksomhet. En slik sone vil innebære en viktig beskyttelse for de kystbundne sjøfuglene langs kysten, for andre verdier i kystsonen og for verdier i kystbeltet. Funksjonen til en slik sone vil i hovedsak være å redusere risikoen for knyttet til et potensielt kystnært oljeutslipp, samt sikre et visst handlingsrom for bekjempelse av olje ved et eventuelt oljeutslipp, før oljen når kystbeltet, kysten og sårbare områder og arter. fra tidligere kystnære analyser viser at drivtider for oljeutslipp 50 km fra kysten kan være korte og ned til i verste fall ca. ett–to døgn. Jo nærmere kysten et potensielt utslipp skjer, jo kortere vil mulige drivtider til land være. Handlingsrommet for håndtering av olje før eventuell stranding av olje blir mindre, og sannsynligheten for å berøre viktige sjøfuglområder og andre viktige verdier ved kysten og risikoen for miljøkonsekvenser blir større. Vi har nå en mulighet til å få på plass et slikt forvaltningsmessig verktøy, og derfor foreslår Venstre dette i dag. Representanten Borghild Tenden har tatt opp det forslaget hun refererte til.

Nordsjøen og Skagerrak er våre mest intensivt utnytta havområde, og vi har lang erfaring med sameksistens mellom våre viktigaste havbaserte næringar. Petroleumsverksemd, skipsfart og fiskeri skaper store verdiar for det norske samfunnet. Samtidig er Skagerrak vårt mest nytta område for rekreasjon og fritidsaktivitetar til sjøs. I framtida kan òg fornybar energi til havs, spesielt havvind, verte ei viktig næring. I tillegg kjem verdien av havområda sine økosystemtenester. Det er fleire tenester Det er fleire tenester enn det vi normalt tenkjer på. Vi veit intuitivt at havet gir oss fisk, men òg tenester som nedbryting av skadelege organismar, oppretthalding av stabiliteten i økosystemet og klimaregulering er viktige verdiar for oss. Økosystemutvalet, som no er i arbeid, vil i august gi oss si tilråding om om det er gjort mykje for å betre miljøet i Nordsjøen og Skagerrak sidan 1970-talet, særleg ved å redusere forureining frå industri og avløp og langtransportert luftforureining, slår planen fast at miljøtilstanden i havområdet framleis er bekymringsfull og på mange måtar utilfredsstillande. Nordsjøen og Skagerrak er eit rikt og produktivt havområde med store miljøverdiar. I forvaltningsplanen er tolv område identifiserte som særleg verdifulle ut frå kva dei har å seie for biologisk mangfald og produksjon slik som for fisk- og sjøfuglbestandar, sjøpattedyr og korallførekomstar. Alle dei tolv områda er generelt sårbare, men sårbarheita varierer etter kva påverknad dei vert utsette for, og tidspunkta for når dette skjer. I tillegg er kystsona identifisert som eit generelt verdifullt område. Pågåande, planlagd og framtidig næringsverksemd i forvaltningsplanområdet må ta omsyn til dei miljøutfordringane som er identifiserte, og Målet om god miljøtilstand og berekraftig bruk av Nordsjøen og Skagerrak medfører at vi må arbeide for ei forbetring av miljøet i dei områda. Blant tiltaka vil eg nemne at regjeringa vil redusere overgjødsling og forureining, styrkje beredskapen mot akutt forureining, sikre berekraftig hausting av fiskebestandane, sikre bestanden av sjøfugl, vidareføre arbeidet med marin verneplan eller blå parkar og vidare kunnskapsoppbygging. Eg vil spesielt nemne marin forsøpling, som er eit stadig aukande problem – ikkje berre i våre havområde, men òg globalt. Marint søppel kan bl.a. gjere skade på dyreliv. Regjeringa vil styrkje innsatsen mot marin forsøpling. Regjeringa vil vidareføre systemet med forvaltningsplanar. Dei heilskaplege rammene for petroleumsverksemda vert fastlagde i forvaltningsplanen for kvart enkelt Forvaltningsplanane skal vere rullerande og oppdaterast jamleg. Regjeringa har vedteke å oppdatere forvaltningsplanen for norske hav i 2014. Forvaltningsplanen for Barentshavet–Lofoten skal oppdaterast i løpet av neste stortingsperiode. Etter ein 20-årsperiode skal planane reviderast, noko som inneber ein meir omfattande gjennomgang enn ei oppdatering. Forvaltningsplanane for havområda har vist seg som gode verktøy for regjeringa. Forvaltningsplanane bidreg til klargjering i samordning og prioritering i forvaltninga, meir føreseielege rammevilkår og til å styrkje sameksistensen mellom havbaserte næringar. Arbeidet vert leia av Miljøverndepartementet, men alle departementa det har noko å seie for, deltek i arbeidet. Regjeringa vil utvikle eit kartbasert arealverktøy til bruk i oppdateringa, revideringa og formidlinga av forvaltningsplanane. Dette vil gje ei betre oversikt over areala kor dei ulike aktivitetane går føre seg, og dessutan gje arealmessige rammer for Forvaltningsplanane har òg vekt internasjonal oppsikt. Mange andre land følgjer arbeidet med betydeleg interesse, og fleire land som Noreg samarbeider med, etterspør informasjon og samarbeid om nettopp dette. Det er eit teikn på at det norske systemet vert lagt merke til, ikkje berre som ein god modell for våre havområde, men òg at dei har ein overføringsverdi til andre land sine havområde. Regjeringa sitt mål er at Noreg skal vere eit føregangsland når det gjeld heilskapleg og økosystembasert forvalting av havområde. Det blir replikkordskifte.

for å få en enda bedre økosystembasert forvaltning i områdene i Nordsjøen og Skagerrak? Det trur eg er fleire ting, men viss eg skal nemne noko, vil ein veldig avgjerande faktor vere, trur eg, å styrkje kunnskapen om effekten av klimaendringane, ikkje minst når det gjeld havforsuring. Det er ein kraftig undervurdert effekt av klimaendringane, som heldigvis no får meir merksemd, også innan forskinga, om korleis det systematisk kan påverke, endre og flytte artsmangfaldet. Det vil vere svært viktig for oss. Det kan få store konsekvensar for våre havområde.

Representanten ler – det er kanskje ikkje så overraskande; eg er einig i det, men dette her er ein forvaltningsplan som etter vår oppfatning gjev eit godt grunnlag for å forvalte områda nær land. Ulike område i Noreg er ulike. Vi har betydelege område der det er ei 35-kilometersgrense utan Så har vi betydelege havområde der det ikkje er opna nær land, i realiteten ein langt større avstand. Og så har vi dei områda der det ikkje er ei slik grense. Eg meiner at i sum gjev det forvaltningsplanane vi har no, eit godt grunnlag for å forvalte dei kystnære områda, men det er ingen tvil om at risikoen knytt til oljeverksemd nær land er stor. Det er derfor viktig å ikkje opne Skagerrak no, og at vi ikkje tilrådd noko på Mørebanken, osv. Jeg har

åpnes. Som jeg sa, undrer jeg meg litt over hvorfor man skal kartlegge petroleumsressursene og så presisere at det ikke vil bli igangsatt petroleumsvirksomhet i området før en slik vurdering er gjennomført. Hva er bakgrunnen for at man ønsker den kartleggingen, når man er så tydelig ellers på at dette er sårbare områder, og for så vidt også er tydelig på klimaaspektet, at noen av ressursene må bli liggende i

eit avgrensa område som har stor sjøtrafikk, er Skagerrak også på mange måtar innløpet til Østersjøen. Så viss vi klarer å øydeleggje forholda i Skagerrak, har vi også øydelagt veldig mykje for våre naboar. Difor er det å forvalte Skagerrak veldig viktig. Ein av dei tinga som vi i den samanhengen er veldig glade for at er meldt i meldinga, er at det skal byggjast fem nye multifunksjonsfartøy med spesielle, moderne reiskapar for å ta hand om oljesøl. Det er ei satsing som eg trur kjem til å bli veldig viktig for å sikre at vi ikkje øydelegg dei flotte naturressursane, for ikkje å snakke om badestrendene på Sørlandet i ein gitt situasjon.

utkast av fisk. Det er også eit område som er veldig viktig. Utkast av fisk er ein uting, som EU har halde på med i mange år, og som er ei veldig sløsing med ressursar, fordi den fisken dei kastar ut, kan ikkje leve vidare, men er likevel ein fantastisk flott matressurs, både som menneskeføde og som fôr for oppdrettsfisk. Det er ei sak som er veldig viktig for regjeringa å følgje opp.

hvor kunnskap sto mot kunnskap, sektor sto mot sektor. Vi hadde ikke et helhetlig kunnskapsgrunnlag som Stortinget kunne forholde seg til. Nå har vi sluttført det store arbeidet. Forvaltningsplanen har allerede fått en oppdatering. Det gjelder Lofoten og Barentshavet. Norskehavet ble behandlet i forrige periode, og denne blir behandlet her i dag. Det betyr at vi har et helhetlig grep. Forvaltningsplanene kjennetegnes egentlig først og fremst av å være store kunnskapsprosesser, hvor alle sektorer deltar, hvor vi ser på påvirkningene i sammenheng, og hvor vi ser på økosystemets beskaffenhet i havet. Det disse prosessene legger opp til, gjør at vi som politikere kan fatte beslutninger med det best tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget som er å oppdrive. Det er en styrke, og det er en stor styrke at vi klarer å organisere slike prosesser på tvers av sektorene. Det er riktig som statsråden sier, at dette har blitt lagt merke til i utlandet. Sågar EUs havmiljødirektiv er inspirert av det arbeidet som har skjedd med forvaltningsplanene. Det som blir viktig framover, er at all forvaltning skal skje innenfor rammene av de forvaltningsplanene som Stortinget har vedtatt. Ingen nye tiltak som ikke finner sin plass innenfor de overordnede rammene som legges her, skal kunne skje, for da bryter vi med prinsippet fra meldingen Rent og rikt hav om at én sektor kan gjøre én ting, og en annen sektor kan gjøre noe annet, og så får vi ikke noe helhetlig grep. Hvis vi skal beholde det helhetlige grepet vi det helhetlige grepet vi nå sluttfører, er det ualminnelig viktig at ingen nye områder f.eks. kan åpnes for oljeleting uten en oppdatering eller revisjon av en forvaltningsplan i forkant. Da beholder vi det grepet som forvaltningsplanene var tenkt å gjøre, og som man mente å gjøre med Rent og rikt hav, og som har vært fram til i dag. Jeg håper det er en politikk som vil fortsette, og at dette helhetlige grepet vil bli verdsatt. Så langt har det vært til beste for våre havområder. Representanten Holmelid og representanten Egeland har poengtert at Høyre ikke står sammen med flertallet i en merknad hvor regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti er

denne forvaltningsplanen og de føringene som ligger i den. Det gjelder også det som handler om petroleumsaktivitet. Dersom vi ikke – på samme måte som disse partiene – ønsker å uttrykke vår store tilfredshet med regjeringen, er det ikke noe dramatikk i det. Det er helt riktig, som representanten Sørensen nettopp sa fra denne talerstolen, at hvis en skal åpne disse områdene, vil man måtte følge vanlige prosedyrer, både når det gjelder forvaltningsplanen og det som eventuelt måtte kreves Så jeg synes kanskje at disse representantene prøver å gjøre noen billige poenger ut av at Høyre og Fremskrittspartiet ikke står sammen med regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti i akkurat denne merknaden. Det viktigste er at vi stiller oss bak forvaltningsplanen, slik den er lagt frem fra regjeringen. Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske frå energi- og
innstilling, men det er greit. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte

og at de vil bli mer merkbare i årene fremover, uansett om vi både her i landet og i verden som helhet klarer å bli enige om tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Hvor store konsekvenser klimagassene vil få for natur og samfunn, vil være et resultat at hvor mye klimaet endrer seg. Det er også avhengig av samfunnets evne, muligheter og vilje til å ta hensyn til at klimaet vil endre seg fremover og aktivt tilpasse seg disse endringene.

Dette har vi sett flere eksempler på i flere landsdeler de siste årene – senest på Østlandet nå i vår. Et moderne samfunn er sårbart overfor naturødeleggelser. Svært mye av infrastrukturen, maskiner, apparater og andre hjelpemidler i vårt samfunn er avhengig av elektrisk kraft. Kraftforsyningssystemet må være dimensjonert for å tåle ekstremvær. Større brudd i kraftforsyningen vil ha store økonomiske konsekvenser og utgjør en trussel mot liv og helse. Orkanen «Dagmar» for halvannet år siden viste hvor sårbare våre lokalsamfunn er når strømmen blir borte i lengre perioder. Samfunnsendringer vil påvirke vår sårbarhet for klimaendringer. En økende andel av den norske befolkningen bor i byområder, og det er forventet at byene vil fortsette å vokse. De største byene i Norge ligger ved kysten eller inntil vassdragene. Større og mer intense nedbørsmengder stiller større krav til overvannshåndtering i byene. Byutvikling i havneområder gir også utfordringer Byene har også mye infrastruktur, med sine mange bygninger, veier, havner og ledningsnett. Denne infrastrukturen vil være sårbar om klimaendringene innebærer mer intens nedbør og økt sannsynlighet for lokale regnflommer. Det er derfor behov for å styrke både det forebyggende arbeidet og kriseberedskapen. Det er også et behov for å definere det overordnede statlige ansvaret. Når det gjelder elveflommer, slik vi opplevde det på Østlandet denne våren, er ansvaret for beredskapen klart definert hos NVE. Men det er også behov for å definere ansvaret når det gjelder overvann og havnivåstigning. Det er derfor en svakhet ved meldingen at den ikke inneholder noen avklaring av disse ansvarsforholdene. Jeg registrerer at også regjeringspartiene deler denne kritikken. Det er derfor svært viktig at statsbudsjettet for 2014 endelig avklarer det statlige myndighetsansvaret for overvann, havnivåstigning og koordineringsfunksjonen på klimatilpasningsområdet. Det er også behov for å klargjøre ansvarsforhold for å sikre bebyggelse mot flom og skredfare. Kommunene har i dag et generelt ansvar for å ta vare på innbyggerne og ansvar for den lokale flom- og skredberedskapen. Ansvarsfordelingen mellom utbygger, kommune, fylkeskommune og stat knyttet til utbygging av ny bebyggelse og infrastruktur er klart definert i lovverket gjennom reglene for arealplanlegging og byggesaksbehandling – men det er altså ny bebyggelse. Når det gjelder ansvaret for eksisterende bebyggelse, er det noe mer uklart. Jeg registrerer at det i meldingen står at departementet har startet arbeidet med å avklare det ansvaret kommunene har for flom- og skredforebygging ved eksisterende bebyggelse. Det er bra. Men jeg vil understreke at dette haster. Ikke minst haster det å få på plass klare ansvarsforhold når mennesker må flytte fra boligen sin fordi det ikke lenger er trygt å bo der på grunn av klimaendringene. Høyre mener at kommunene må ta det økonomiske ansvaret – utover det forsikringsselskapene dekker – for de utgifter fordi det ikke lenger er trygt å bo der på grunn av klimaendringene. Høyre mener at kommunene må ta det økonomiske ansvaret – utover det forsikringsselskapene dekker – for de utgifter boligeiere påføres som følge av at de må flytte fra boligen sin eller gjenoppbygge boligen på et annet sted på grunn av økt flom- og skredfare. Vi trenger ny kunnskap om hvordan klimaendringer vil påvirke den enkelte kommune. Bevilgningene i de siste års statsbudsjett til flom- og skredforebygging dekker bare en brøkdel av behovet for kartlegging av faresoner for flom enten vi liker det eller ikke. Derfor må vi, samtidig som vi setter i verk tiltak for å redusere utslippene av klimagasser, tilpasse oss de endringene vi vet at kommer. Behandlingen av denne meldingen viser heldigvis bred enighet om dette. Klimaendringene er

og vårt mål er at de globale utslippene av klimagasser begrenses, sånn at temperaturøkningen globalt ikke overstiger 2 grader. Jeg mener at vi må føre en ambisiøs, nasjonal klimapolitikk. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet ikke fant det naturlig å bli med resten av komiteen på den merknaden heller – det bare konstaterer jeg.

så langt unna der jeg kommer fra, ble det nye kulturhuset bygd høyere enn det som var planlagt, på grunn av hensynet til springflo og framtidig havnivåstiging. Det var viktig å unngå at vannet – en eller annen gang i framtiden – skulle renne inn i den majestetiske foajeen. E6 gjennom Gudbrandsdalen mellom Øyer og Tretten ble hevet med 36 cm etter flommen i 2011, og videre gjennom Ringebu og Otta ble veiene dimensjonert for 200-årsflommen pluss en sikkerhetsmargin på

Derfor er det også viktig at kunnskapsgrunnlaget for tilpasning til klimaendringene styrkes gjennom en mer aktiv overvåking av klimaendringene, en opptrapping av klimaforskningen og utvikling av det nasjonale senteret for klimatjenester. Klimaendringenes lokale karakter plasserer kommunene i en førstelinje i møte med klimaendringene. Større og mer intense nedbørsmengder setter store krav til overvannshåndtering i byene av mange tette flater på veier og plasser. Byutvikling i havneområder og fortetting gir også utfordringer, som saksordføreren var inne på. For at kommunene skal kunne utføre oppgavene sine på en måte som sikrer robuste og bærekraftige lokalsamfunn, er det nødvendig at hensynet til et endret klima blir en integrert del av det kommunale ansvarsområdet. Jeg er derfor glad for at regjeringen vil utarbeide en statlig planretningslinje for kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med klimatilpasning i areal- og samfunnsplanleggingen. Klimaendringene vil bli størst – og de vil merkes mest – i arktiske strøk. Derfor er Arktis et sentralt område både i klimapolitikken og i klimatilpasningen. Klimatilpasning i Arktis er et område særlig når det gjelder å styrke kunnskapsgrunnlaget om Arktis i klimasammenheng. Det er

må ta høyde for at ekstremvær, som det omtales som – ekstremhendelser, ras, flom osv. – vil forekomme i fremtiden, på samme måte som det faktisk har foregått tidligere i vår historie. Det må vi ta høyde for i planlegging, i utforming av politikk og i hvordan vi velger å innrette vår infrastruktur våre ressurser. Som sagt: Jeg er glad for at en samlet komité står bak det prinsippet. Men å koble dette opp mot de meste ekstreme, skal vi si, fremtidsscenariene – av typen ekstremvær og ekstremhendelser – som jeg oppfatter at enkelte i komiteen forsøker seg på, bl.a. siste taler, vil jeg advare sterkt imot. Grunnen til at jeg vil advare sterkt imot det, er at det forteller forskerne oss. Forskerne forteller oss at ekstremhendelser og ekstremvær ikke nødvendigvis kan kobles mot såkalte menneskeskapte klimaendringer, snarere tvert imot. Her mangler man kunnskap. I våre merknader viser vi til en rekke sånne uttalelser, også fra anerkjente – mainstream – klimaforskere. I innstillingen refererer vi til at FNs klimapanel – og jeg synes det er litt underlig at komiteen ikke kan gå inn på den typen merknader – kom med en spesialrapport i fjor, 2012, som i klartekst sier at ekstremhendelser de neste 20–30 årene vil være dominert av naturlige klimatiske variasjoner. Igjen: Det er ikke noe Fremskrittspartiet finner opp, eller som jeg spinner frem. Det er altså et faktum som FNs klimapanel legger til grunn. Det er underlig at man velger ikke å gå inn på den

basere seg på gammel forskning – fra 2008, revidert i 2009 – som ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til landhevingen etter siste istid, og som dessuten totalt har sett bort fra gravitasjonseffekten dersom vi får stor issmelting på Grønland. Det er – hva skal jeg si – et litt litt dårlig forsøk på å fremstille ting som verre enn de er. Forskerne sier i dag – forskning anno 2013 – i klartekst at tvert om kan vi risikere at man i deler av landet, og da refererer man til Oslo, til Tromsø og til Trondheim, i slutten av dette århundret kan være i den situasjonen at man ikke har hatt havnivåstigning, men havnivåsenking. Det er faktiske faktiske forskningsresultater som ligger til grunn. Da må man være litt forsiktig med å overdrive virkningen av havnivåstigning. Bare et apropos i debatten: Det er viktig at man er edruelig, det er viktig at man ikke overdriver – men man skal planlegge for det

Den tida er nå i ferd med å renne ut. Utslippene av drivhusgasser som allerede er skjedd, er så store at vi neppe kan hindre en temperaturøkning opp mot to grader. For øyeblikket hevder mange at vi nå har utslipp som gir full fart mot fem–seks graders oppvarming. Samtidig har vi begrenset kunnskap om muligheten til og kostnaden ved å beskytte oss mot effektene av en slik temperaturøkning. Stern-rapportens konklusjon, at det er enklere og billigere å redusere utslipp enn å tilpasse oss konsekvensene av temperaturøkningen, står seg. Så kan dette bli en diskusjon om Fremskrittspartiet, som ikke tror på menneskeskapte endringer. Jeg nevner regnestykket fra Stern-rapporten fordi vi har hatt noen debatter i dag hvor Fremskrittspartiet ikke har vært alene, men sammen med to andre store partier når det gjelder å kjempe for økt oljeutvinning, og dermed økte klimagassutslipp. Regjeringa sier at den legger til grunn høye klimaframskrivninger når klimaendringene skal analyseres. Det er viktig å være føre var. Bygger du et dike, er investeringene totalt bortkastet om diket bare nesten er høyt nok til å stoppe flommen. Da vil jeg heller være sikker på at det diket er høyt nok, enn å si som Fremskrittspartiet, at man ikke skal overdrive. Vi får mer ekstrem nedbør, flere og sterkere stormer, mer flom og mer skred. Steder som har vært trygge bosteder i hundrevis av år, vil bli ubeboelige. Den kompliserte infrastrukturen i vårt samfunn er sårbar når det gjelder elforsyning, teleteknologi, veier, vannforsyning og kloakk. En spesiell utfordring – som er nevnt av flere her – er overvann som følge av økt nedbør, eventuelt hevet havnivå eller stormflod. Avløpsnettet er ofte en av de største investeringene som kommunene har. Men det er oftest ikke dimensjonert for det vi kan vente oss framover. Derfor er det bra at regjeringa nå foreslår å sette ned et utvalg for å se på tiltak og rammevilkår for økte mengder overvann. Det er bra og nødvendig. Hovedpunktene i meldingen er at vi trenger kunnskap om klimaendringene lokalt, og at alle har et ansvar for tilpasning. Det gjelder enkeltpersoner, bedrifter, kommuner, fylker og stat. Ikke minst må klimaendringene inn som en premiss for kommunal planlegging. Regjeringa har varslet at den vil legge fram en statlig planretningslinje for dette. Det er viktig med miljøfaglig kompetanse i kommunene. Her er det klare utfordringer. En undersøkelse fra 2010 viser at 70 pst. av de miljøansvarlige i kommunene har deltidsstillinger eller bruker mindre enn 50 pst. av arbeidstiden på miljøsaker, og at bare 60 pst. av kommunene har relevant kompetanse på forvaltning av biomangfold. Klimaendringene skjer så raskt at mange arter ikke rekker å tilpasse seg, og vi risikerer et stort tap av biologisk mangfold. Naturen har allerede et tilpasningsunderskudd. For å få til robuste naturmiljøer er det viktig med store og sammenhengende verneområder, områder «som strekker seg fra fjord til fjell eller over flere vegetasjonssoner», og skogvernområder «som dekker flere vegetasjonssoner». Ikke minst har våtmarksområder og skog en stor betydning for klimatilpasning. Vi har nylig hatt flom på Østlandet, med dramatiske følger for dem som ble rammet. Ingen kan si at dette er en flom som skyldtes klimaendringene, men det vi kan si, er at flommene som kom sjelden, kommer nå mye oftere som følge av klimaendringene. At noen rammes av dette, er ikke den enkeltes ansvar, men kollektivets – alles – ansvar, som staten må ta, og er beredt på å ta sammen med forsikringsselskaper og kommuner. Klimaet er i endring. Det fordrar politisk handling. Stadig ny forsking gjev oss klart signal om at dei menneskeskapte klimagassutsleppa er opphavet til klimaendringane. Vi må derfor halde fram med ein offensiv klimapolitikk, både her i landet og internasjonalt. Men uavhengig av om vi lukkast i den store klimadugnaden, må vi bu oss på dei klimaendringane som vi allereie ser teikn på. Meir nedbør gjer oss stadig meir utsette for flaum og skred. Temperaturen endrar seg, og dermed endrar naturen seg. Det er stor sjanse for at mange som sit her i denne salen, vil få oppleve å sjå eit isfritt Arktis, noko ingen menneske før har sett. Klimaendringane utfordrar både artsmangfaldet og matproduksjonen. Det utfordrar infrastruktur og busetnad. Vi må endringane. Vi har betre føresetnader enn mange andre land på kloden når det gjeld klimatilpassing, trass i at vi har ein krevjande geografi i dette landet. Vi har ressursar. Vi har kunnskap til å møte utfordringane, men det krev auka innsats når det gjeld både kartlegging, kunnskap og tiltak, slik regjeringa legg opp til. Kommunane må ha god oversikt over arealet sitt og kva risikoar som eventuelt kan finnast i ulike område. Vatn- og avløp må vere riktig dimensjonert, og ein må vere budd på ekstremvêrtilfelle. Varmare klima vil kunne føre til forlengja vekstsesong for matproduksjonen. På den andre sida kan flaum, ras og store nedbørsmengder true areal som blir brukte til produksjon av mat, både her i landet og andre stader i verda. At mattryggleik er ein del av den nasjonale beredskapen, er derfor særs viktig. Vi ser auka fokusering på t.d. beredskapslager for korn, både her heime og internasjonalt.

Samtidig er det viktig at kommunar og stat speler på lag i arbeidet med kunnskaps- og kapasitetshevinga. Planretningslinjene som regjeringa har varsla, er eit viktig steg i den retninga. Tilsvarande er det å setje ned eit utval for å ta føre seg handteringa av overvatnsproblematikken. Det er viktig at det gode arbeidet regjeringa har gjort innanfor flaum- og skredførebygging, held fram og

Det er jo det denne meldinga handlar om. Så eg håpar Framstegspartiet er klar over kva premissar som ligg til grunn når vi vedtek denne meldinga. Så kan ein ha ulike syn på kva som fører til klimaendringane, slik Framstegspartiet og representanten Amundsen brukte ein del tid på her frå talarstolen. Eg let meg fascinere litt av at

så får vi sjansen til å diskutere sjølve klimaproblematikken i neste sak, reknar eg med, og då reknar eg òg med at vi får nokre betraktningar frå dei partia som tek mål av seg til å samarbeide med Framstegspartiet den komande perioden, om kvar politikken

Vær og klima påvirker nærmest alle deler av samfunnet og er en viktig del av hverdagen for de fleste. Det norske folk er derfor vant til å ta hensyn til været, og har gjennom århundrene tilpasset seg et skiftende klima. Over det siste århundret har det blitt varmere i Norge, og nedbørsmengdene har økt med om lag 20 pst. Det er ventet at temperatur og nedbør i Norge vil fortsette å øke framover. Klimatilpasning handler om å erkjenne at klimaet er i endring, forstå konsekvensene og iverksette tiltak for enten å hindre skade eller utnytte mulighetene klimaendringene kan innebære. I Norge kan høyere temperatur føre til lengre vekstsesong, noe som i utgangspunktet er positivt med tanke på økt selvforsyning. På den andre siden kan økt nedbør, ras og flom bety tap av avlinger og dyrkbar jord, og således være en trussel mot matproduksjon og selvforsyningsgrad. Dette har vi sett eksempler på denne våren. Det er derfor viktig å ha økt beredskapsfokus på de følgene klimaendringene kan ha for den nasjonale Arbeidet med å sikre matjord må fortsette, og vi må få økt fokus, både nasjonalt og internasjonalt, på nødvendige beredskapslagre for korn. Nær sagt all infrastruktur er utsatt for klimaendringer. Sårbarhet i infrastruktur og bygninger har stor betydning for hvordan samfunnet berøres av klimaendringer.

Det er ikke avklart hvem som skal være myndighet på sentrale områder som overvann og havnivåstigning, noe som er en klar svakhet med meldingen. I dag har minst åtte departement ansvar for ulike deler av arbeidet med naturfare og klimatilpasning. Mens NVE har et klart definert ansvar for forebygging og sikring mot elveflom og skred, er det ikke definert noe slikt ansvar for havnivåstigning Manglende avklaring av det statlige koordineringsansvaret og fagansvaret bidrar til å vanskeliggjøre kommunenes tilpasningsarbeid. Derfor haster det med en avklaring av det statlige ansvaret for havnivåstigning og overvann. Klimaendringene øker behovet for å satse på flom- og skredforebygging. Vi kan aldri sikre oss hundre prosent mot framtidige flom- og skredulykker, men styrket satsing på forebyggende tiltak kan redusere skadene og minske omfanget av nye flommer og skred. I svar til komiteen varsler departementet at det skal foretas en helhetlig gjennomgang av naturskadelovens bestemmelser om sikring. Kristelig Folkeparti mener dette lovutvalget bør nedsettes umiddelbart, og at det blir et ekspertutvalg som kan utrede en helhetlig lovendring som klargjør kommunenes ansvar og boligeiernes rettigheter når det gjelder flom- og skredforebygging. I dag er det uklare rettstilstander, noe som har ført til en rekke rettssaker. Enkelte boligeiere vil i framtiden måtte flytte fordi tomten blir uegnet og farlig som boligtomt på grunn av økt flom- og skredfare. Det er særlig viktig å klarlegge ansvar og rettigheter i slike saker. Klimaendringene observeres allerede. Det er

Samfunnet må derfor gjøres mer robust for å kunne håndtere det uventede. Beredskapen for ulike hendelser som flom og skred må åpenbart styrkes, men i arbeidet med tilpasning til klimaendringene må vi også forberede oss på langt mer alvorlige og eksistensielle utfordringer og konsekvenser som berører helt grunnleggende forhold, f.eks. kollaps i eller ekstreme uår som berører vår eller våre handelspartneres evne til å produsere og tilby mat. Klimaendringene virker som forsterker av eksisterende sårbarheter og er helt nødvendig. Det er ikke noe nederlag eller tegn på at vi gir opp klimakampen. Kutt i klimautslipp må alltid være det viktigste, men tilpasning er helt nødvendig for å sikre liv og helse og bevare miljø, verdier og infrastruktur. Klimatilpasning dreier seg om god natur- og ressursforvaltning og opprettholdelse av god kvalitet på infrastruktur, bygg og andre verdier. Det haster imidlertid med å komme i gang med tilpasningsarbeidet. Kommunene vil spille en helt sentral rolle. Mangelen på ressurser i klimatilpasningsarbeidet og utydelig eller manglende helhetlig nasjonal manglende helhetlig nasjonal strategi for klimatilpasning fører til ansvarspulverisering mellom ulike sektorer og mellom styringsnivå – stat, fylke og kommune – og mellom offentlig og privat ansvar. Det tilligger fortsatt eier å sørge for å vedlikeholde og sikre egen infrastruktur, bygg og eiendeler. Fokuset må være på forebygging lokalt. Forebygging er samfunnsmessig lønnsomt, og det er lokalt tiltakene må settes inn. Dette innebærer nødvendigvis ikke økte bevilgninger, men økt lokal kapasitet til gode kommuneplaner, plan- og byggesaksbehandling og ROS-analyser. Mange kommuner sliter med å følge opp dette. Klimatilpasning endrer ikke på ansvarsforhold. Som i samfunnssikkerhetsarbeidet ellers er det basert på prinsippene om ansvar, nærhet og likhet. Det er de berørte og ansvarlige som selv må håndtere Men det er viktig at staten ikke bare bidrar med bedre informasjon og kunnskap, men også bistår med faglig veiledning og en ordning/mekanisme for finansiering av klimatilpasningstiltak. Men regjeringen må tydeliggjøre roller og ansvar – også innen Det er beklagelig at regjeringen ennå ikke har ryddet i sentrale statlige ansvarsforhold, som representanten Ropstad også var inne på. Ansvaret for overvann bør legges til NVE, som allerede i dag har det statlige ansvaret for flom og skred. Utsettelsene og det vakuumet regjeringen nå har skapt, kan bli kostbart. Det er ingen unnskyldning for manglende tydeliggjøring av ansvar at det er satt ned et nytt lovutvalg for å se på overvann. Tvert imot ville det vært en fordel for lovarbeidet at ansvaret for saksfeltet hadde en tydelig forankring i et statlig fagorgan/en statlig etat. Ansvar for overvann bør legges til NVE, til tross for olje- og energiministerens innsigelser og bekymring for at det blir for mye vann og for lite energi i Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Til slutt vil jeg ta opp Venstres forslag. Da har representanten Steinar Reiten tatt opp det forslaget som han refererte til. Når vi nå behandler jordbruksoppgjøret for 2013, er

Ingen klimamodellar har føresett omfanget av tap av snø og is i Arktis dei siste åra. Endringane verkar inn på livet i Arktis, og med lengre vekstsesong kjem nye artar til. Med eit meir ope Arktis må vi òg passe på at ny verksemd vert balansert opp mot omsynet til miljøet. Ekstrem nedbør gjer stor skade. Nedbør over Noreg har auka med om lag 20 pst. dei siste 100 åra, og nedbøren kjem med større intensitet enn før. Vi må vere førebudde på at den utviklinga vil halde fram. Det vil verte varmare. Låglandet vil nokre år kunne verte snøfrie vinterstid i dette hundreåret. Samfunnet må tilpasse seg ein endra risiko for hendingar som flaum og ekstremvêr, så vel som til meir gradvise endringar i naturen som svekkjer miljøet og folk si helse. Dei naturutsette næringane, som landbruk, fiskeri og turisme, vil få endra rammer. Det er viktig å fange opp breidda i utfordringane. Det er krevjande å skaffe kunnskap og halde oversikt over klimaendringane og kva dei betyr. Utfordringane må verte møtt med ein aktiv politikk. Denne våren har vi nok ein gong vore vitne til dramatiske bilde av flaumøydeleggingar. Ein kan ikkje slå fast at ein slik flaum aleine kjem av menneskeskapte klimaendringar. Men risikoen for flaum som følgje av ekstrem nedbør kan auke. Vi kan få flaum på nye stader som Det skaper utfordringar, og i meldinga gjer vi greie for korleis vi skal møte dei. Klimatilpassing har over år vore ein prioritet på området. Kunnskapsutvikling har stått i fokus. Gjennom forsking, aktiv bruk av nettverka rundt kommunane og målretta informasjon og vegleiing har mange starta arbeidet med klimatilpassing. Eg vil knyte nokre særlege kommentarar til spørsmålet om overvatn. Nedbør gir risiko for overfløyming, særleg i byane, der vatnet ikkje alltid finn naturlege avløp. Avløpsnettet er ikkje dimensjonert for å handtere store mengder regnvatn. Gode tiltak kan minske risikoen for overvatn, flaum i byane og samtidig auke kvaliteten på bymiljøet. God handsaming av overvatn handlar om ansvar og rammer i norske kommunar, og famnar om fleire krevjande spørsmål. Derfor vil vi opprette eit offentleg utgreiingsutval som skal vurdere forslag til forbetringar av rammevilkåra for handsaminga i kommunane når det gjeld aukande mengder overvatn på grunn av eit klima i endring. Ei vanleg levetid for bygningar er 78 år. I alle vedtak som har betydning langt fram i tid, må ein tenkje på klimatilpassing. Når ein skal vurdere korleis klimaendringane kan verke, må ein vere føre var. Derfor legg regjeringa til grunn at ein skal ta utgangspunkt i høge klimaframskrivingar når konsekvensar for klimaendringane skal verte analyserte. Kommunane har ansvar for planlegging. Klimaendringane er ein ny dimensjon som skal inn i planlegginga. Statlege styresmakter legg premissar. I arbeidet med meldinga har mange ønskt tydelegare føringar og retningslinjer for arbeidet med klimatilpassing på ulike område i kommunane. For kommunale ansvarsområde og tenester som arealplanlegging, vatn og avløp og transport, er klimaet ein viktig faktor. Derfor har regjeringa vedteke at ein skal utarbeide ei statleg planretningslinje for kommunanes og fylkeskommunanes arbeid med klimatilpassing i areal- og samfunnsplanlegginga. Retningslinja skal verte innarbeidd i den eksisterande statlege planretningslinja for klima og energi. Alle har eit ansvar for klimatilpassing. Det gjeld einskildpersonar, bedrifter, kommunar, fylke og stat. Staten skal ta ansvar på eige område og leggje til rette for at andre kan vareta sitt. Kunnskap og verktøy er stikkord. Derfor vil regjeringa at kunnskapsgrunnlaget for tilpassing til klimaendringane vert styrkt gjennom ei meir aktiv ei framleis opptrapping av klimaforskinga og ei utvikling av det nasjonale senteret for klimatenester. Det blir replikkordskifte.

Fra departementets side innrømmer man også at man har lagt til grunn forskning fra 2008, delvis justert fra 2009, istedenfor å ta hensyn til ny kunnskap. Den nye kunnskapen dreier seg om landheving etter siste istid – ikke minst landheving på grunn av en effekt som det ikke er blitt regnet på i det hele tatt tidligere, men som har vært kjent kunnskap lenge, nemlig at gravitasjonen også har innvirkning på hvordan vannet fordeler seg på vår planet. Hva er årsaken til at man velger å se bort fra ny viten? Er det fordi den ikke er så dramatisk som tidligere forskning tydet på? Det stemmer at dei gjeldande tala er baserte på ein rapport som Bjerknessenteret fekk utarbeidd i 2009. at dei gjeldande tala er baserte på ein rapport som Bjerknessenteret fekk utarbeidd i 2009. Dei seinara åra er det publisert ei rekkje nye, både nasjonale og internasjonale, studiar om framtidig havnivåstiging, med litt ulike resultat. Eg kjenner til ein av dei – den frå Kartverket – som det spesielt er referert til i innstillinga. Eg trur det nærmaste vi kan kome ein status som alle er einige om, vil vi få om ikkje lang tid, når IPCC legg fram sin neste hovudrapport,

Nikolai Astrup

Men jeg skal ikke spørre om det. Jeg skal spørre om det faktum at NVE har konkludert med at det er 120 kommuner som må prioriteres for faresonekartlegging for ulike skredtyper. Men med dagens bevilgninger er NVE i stand til å gjennomføre faresonekartlegging i to til fem kommuner i året. Mener statsråden at det er godt

Så til det siste: Det er ingen tvil om at det er store utfordringar på det området. Bevilgningane til NVE sitt arbeid med flaum- og skredsikring og kartlegging er auka dei seinara åra, men det er behov for å styrkje det arbeidet, òg i det vidare – det er eg einig med representanten i. Det er godt å høre at statsråden er med Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet i at det er behov for å trappe opp bevilgningene til flom- og skredforebygging i de kommende årene – slik han akkurat sa – for regjeringspartiene sluttet seg ikke til den merknaden i innstillingen. Så sier statsråden at denne meldingen svarer på de utfordringene som vi står overfor, og at det ikke er én myndighet som skal ha ansvaret. Jeg er helt enig i at det ikke er én myndighet som skal ha ansvar, men ansvaret må jo plasseres. Regjeringen sier her at man må komme tilbake til hvor det ansvaret skal plasseres. Men her legger man altså frem en stortingsmelding om klimatilpasning. Hvilken bedre anledning har man til nettopp å plassere ansvaret der det skal være, enn i denne stortingsmeldingen? De erfaringene vi har gjort oss nå med store flommer de siste årene, viser jo at det er behov for en rask avklaring av dette spørsmålet. Så spørsmålet er: Hvorfor har man ikke gjort dette tidligere? Vi varsla at vi om kort tid skal kome tilbake til det koordinerande ansvaret, som i dag førebels har vore lagt til DSB. Det er fordi det er så ekstremt mange etatar og nivå involvert. Det er komplekst korleis vi skal få til ei best mogleg samordning av det, og kva for endeleg løysing vi Men viktige spørsmål rundt samordning og korleis vi skal plassere ansvar elles, går langt utover det. Når det gjeld korleis kommunane skal klare å handtere sitt planleggingsarbeid, varsla vi verktøy for nokre planretningslinjer og auka styrking på kunnskapssida. Den problemstillinga som eg nok sjølv blei overraska over i arbeidet her, var kor lite merksemd det var på mengda overvatn. Det er eit akutt behov for å Det er eit akutt behov for å gå igjennom eit komplekst lovverk og styrkje det. Så på ei rekkje område er vi nøydde til å klare opp. Så vil vi raskt kome tilbake med den endelege avklaringa av kor regjeringa meiner at koordineringsansvaret bør liggje i framtida. Venstre har fremmet noen forslag også i denne saken. Hensikten med forslagene er at vi mener at samfunnet må gjøres mer robust for å håndtere det uventede. Forslagene går i korthet ut på at vi ønsker å gi meransvar til NVE, DSB og Miljødirektoratet. Hvilke vurderinger gjør statsråden seg av disse forslagene?

enn man har godt av. Ja, man skal planlegge for det verste, men man bør kanskje ha litt edruelighet i det hele. Er statsråden enig i det? Eg er tilhengar av edruelegheit, det kan eg seie. Så er det freistande for meg å føreslå å inngå ein avtale med representanten Amundsen. Eg lovar å ta inn over meg den kunnskapen han tek med seg opp på Stortingets talarstol og spør meg om – i dette tilfellet kjende eg ikkje til om – i dette tilfellet kjende eg ikkje til den, i førre tilfellet, for ei kort veke sidan, kjende eg til den, og lèt den prege meg – viss han lovar å ta kunnskapen i den neste hovudrapporten til IPCC inn over seg når den kjem om få månader. No nikkar han, og eg vel å tolke det som om han er einig med meg i at det er ein slags intensjonsavtale mellom oss. Det får ikke representanten anledning til å svare på, men det er sikkert riktig.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

inn på alle forslagene, men jeg går ut fra at forslagsstillerne også vil redegjøre for sine forslag. Flertallet – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV – viser til brev fra miljøvernministeren, der det pekes på at regjeringa er godt i gang med å gjennomføre klimaforliket. Vi forutsetter at dette arbeidet fortsetter. Hele komiteen er fornøyd med at regjeringa følger opp med å fremme en nasjonal tverrsektoriell strategi for bioenergi. Komiteen tar også til etterretning at Gassnovas arbeid med å vurderer CO2-rensing ved kullkraftverket i Longyearbyen vil måtte avvente beslutning fra lokalstyret og Justis- og beredskapsdepartementet. Men dermed er det også slutt på enigheten i merknadene. Det fremmes derfor en rekke forslag, både fra en samlet opposisjon og fra deler av opposisjonen. Flertallets innstilling er at representantforslaget vedlegges protokollen, fordi vi ikke er uenig i de mange enkeltforslagene, men nettopp fordi regjeringa er godt i gang med å gjennomføre dem. Et av tiltakene som flere ganger er blitt etterlyst fra opposisjonen, er støttetiltak fra Enova for utfasing av oljefyr i husholdningene. Også i dette representantforslaget plass. Regjeringa har også varslet at den vil komme tilbake i statsbudsjettet med en konkretisering når det gjelder virkemidler for å utløse betydelig energieffektivisering og energiomlegging i private husholdninger, jf. vedtak i klimaforliket. Det er en uenighet når det gjelder innretningen på fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging, som ble styrket med 10 mrd. kr i statsbudsjettet for 2013. Uenigheten er en omkamp, men pengene er nå plassert som kontolån i tråd med Stortingets vedtak i klimaforliket. I representantforslaget foreslås også en gjennomgang av bilavgiftene. Det hører etter flertallets mening hjemme i statsbudsjettet, men det har skjedd en god utvikling i retning av å gjøre det mer lønnsomt å velge biler med nullutslipp eller lave utslipp. Å komme ned på gjennomsnittlig alder for biler i EU vil fort bety at vi må senke bilavgiften så mye at avgiftsfordelen med elbil blir så liten at elbilsalget stopper opp. En bærekraftig samferdselspolitikk må innebære at bilbruken reduseres, selv om det også er snakk om utslippsfrie privatbiler. Det er derfor viktig at CO2-avgiften avspeiler klimakostnadene, og at veibruksavgiften avspeiler øvrige utgifter knyttet til bilbruk. Der var tida ute. bare kommentere at … Men det skal ikke kommenteres noe mer etter at tiden er ute.

Sammen med sult og fattigdom er klimaendringene blant de viktigste utfordringene verden står overfor, og jeg sa i forrige sak at for Arbeiderpartiet ligger målene som vi har forpliktet oss til i klimaforliket, til grunn for vår klimapolitikk. Jeg merker meg at forslagene som vi behandler nå, er forslag som i stor grad er blitt behandlet før, og det viser også at det er betydelige sprik mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre på den ene siden og Fremskrittspartiet på den andre siden. I innstillingen til klimatilpasningsmeldingen som vi nettopp har debattert, stiller Fremskrittspartiet seg også utenfor merknaden som peker på menneskeskapte klimaendringer, og det er også slik at noen av oss som er her i salen i dag, tilbrakte store deler av sist uke i debatter og media for å debattere at Fremskrittspartiet ikke ville vedta Kyoto fase 2. I departementets kommentarer til forslaget ligger det gode svar på hvorfor de ulike forslagene fra Ropstad, Astrup og Tenden følges opp i regjeringens politikk i dag, og derfor vil ikke jeg bruke tid på å gjennomgå forslagene. Dette har også vært en debatt som har pågått i det offentlige rom. Jeg vil allikevel nevne at og klimameldingen. Gjennom opprettelsen av fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomlegging, satsing på bymiljøavtaler i NTP, intercitytog, omlegging av bilavgiftene og flere andre tiltak, leverer regjeringen på tiltakene som ble vedtatt i klimaforliket. Regjeringen gjør også en betydelig innsats internasjonalt i klimasaken, og satsingen på klima- og skoginitiativet er et eksempel på et tiltak som har stor effekt.

Fremskrittspartiet – som ikke tror nok på menneskeskapte klimaendringer, etter enkelte representanters syn – i en ny regjeringskonstellasjon etter neste valg. Dette er, med respekt å melde, helt feil, for da ser man jo ikke i dokumentet. Her ligger det riktignok et dokument med 16 forslag, men av de 16 forslagene

forteller meg for det første ganske mye om den skinndebatten man har rundt menneskeskapte klimaendringer, men også om viljen til å komme frem til gode løsninger. Jeg synes dette dokumentet – vi var ikke medforslagsstiller på det, det var de øvrige borgerlige partiene – illustrerer på en god måte at det er fullt mulig å komme frem til gode løsninger på den borgerlige siden. Men vi som ikke tror nok på menneskeskapte klimaendringer, ifølge særlig SV, klarer å være med på fornuftige og gode klimatiltak. De som tror mer på menneskeskapte klimaendringer enn alle andre – mest av alle – de støtter altså ingen av forslagene. Jeg bare registrerer det, og det sier kanskje litt om hvordan denne klimadebatten til tider utvikler seg. Hvis det er slik at man virkelig tror på SVs, skal vi si, apokalypseliknende beskrivelse av fremtidsvisjoner som følge av menneskeskapte klimaendringer, hvorfor er man da ikke villig til å sette inn flere tiltak? Det er her en stor avstand mellom ord og handling som er vanskelig å begripe fra utsiden. Men jeg regner med at SV sikkert har gode forklaringer på det, som de bruker å ha på alt mulig

Hvis vi skal redusere utslippene med 50–85 pst. globalt innen 2050, må vi gjøre teknologiske kvantesprang som frikobler økonomisk vekst fra veksten i klimagassutslippene. Å nekte verdens fattige fremgang og økonomisk velstand, er ikke et alternativ. I takt med at flere løftes ut av fattigdom og den globale middelklassen vokser, vil energiforbruket øke dramatisk de neste årene. Verdens utfordring er å gjøre energiforbruket bærekraftig. Norges utfordring er å ta vår del av ansvaret for å utvikle løsninger som ikke bare bidrar til å realisere en grønn økonomi nasjonalt, men som også kan ha betydning internasjonalt. 80 pst. av de globale klimagassutslippene kommer fra forbrenning av kull, olje og gass. Fornybar energi opplever nå en voldsom vekst mange steder i verden. Det er positivt, og etter hvert som produksjonskostnadene fortsetter å falle, og den teknologiske utviklingen øker effektiviteten i energikilder som solceller og vindturbiner, vil fornybar energi vil fornybar energi være konkurransedyktig med fossile energikilder stadig flere steder. Allerede i dag bygges store solparker uten subsidier mange steder i verden. Til tross for betydelig vekst i fornybar energi, er det vanskelig å tenke seg en omstilling til et lavutslippssamfunn uten at fangst og lagring av CO2 spiller en vesentlig rolle. Det finnes 5 000–6 000 store punktutslipp i verden. I 2050 må de fleste av dem enten være erstattet av fornybare alternativer, eller de må være renset. Som en stor produsent av olje og gass, har Norge både et ansvar og en egeninteresse i å bidra til å utvikle kostnadseffektive teknologier for fangst og lagring av CO2. Et nytt kullkraftverk på Svalbard og en vurdering av muligheten for å etablere et renseanlegg for industri i Grenland, vil være et godt bidrag til Norges satsing på fangst og lagring, med betydelig lavere inngangsbillett enn det fullskalaprosjektet på Mongstad synes å ha. Gjennom det nye miljøteknologifondet som ble opprettet i klimaforliket i fjor, har Norge en unik mulighet til å være fødselshjelper for nye teknologiske løsninger som kan bidra til å kutte utslipp både ute og hjemme. Jeg er glad for at opposisjonen står sammen om å øke avkastningen fra miljøteknologifondet til 4 pst., noe som vil innebære nesten en dobling av avkastningen fra dagens nivå. Forholdene i Norge ligger godt til rette for å vise at en klimavennlig Blant de forslagene som kan bidra til dette, er krav om at offentlige kjøretøyer skal gå på CO2-fritt eller CO2-nøytralt drivstoff innen utgangen av 2018, videreføring av fordelene for alternative drivstoff til 2020, krav om at alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal gå på utslippsfrie eller klimanøytrale drivstoff innen utgangen av 2022, og endringer i avgiftssystemet som premierer dem som velger miljøvennlige kjøretøyer i enda sterkere grad enn nå. Jeg merker meg at regjeringspartiene ikke deler vårt ambisjonsnivå på dette området. To ganger de siste åtte årene har regjeringen fremmet klimameldinger for Stortinget, og begge ganger har opposisjonen bidratt til å forbedre og forsterke den politikken. Nå forsøker vi på nytt, det er synd at regjeringspartiene ikke vil være med. Jeg vil med dette ta opp forslagene som Høyre og Kristelig Folkeparti har i innstillingen. Representanten

men vi er rike på ressursar, og vi er rike på kunnskap og kapital. Særleg det at vi har store rikdomar som følgje av utvinning og sal av fossile energiressursar, gir oss eit moralsk ansvar for å bidra internasjonalt for å redusere klimagassutsleppa. Vi kan og bør våge ei spydspissrolle internasjonalt i den globale klimadugnaden, og vår legitimitet ute er avhengig av vår vilje til å endre nasjonal politikk for å gå frå det fossile til det fornybare energisamfunnet. Eg er stolt av at Noreg under den raud-grøne regjeringa har tatt viktige steg i klimavennleg retning, og Kristeleg Folkeparti, Venstre og Høgre skal ha honnør for å vere utolmodige medspelarar i arbeidet med å redusere klimagassutsleppa. Verdien av ein brei politisk konsensus på desse områda er stor. Forslaga som ligg på bordet, er delvis òg forslag som er henta frå den felles plattforma som vi står samla om, og som vi er i ferd med å bli fylt opp av regjeringa. Vi kan heilt sikkert, både posisjon og opposisjon, bli endå djervare. Tiltaka frå klimaforliket er viktige, men tiltaka som vi og andre nasjonar per i dag set inn, er ikkje i samsvar med dei utfordringane vi og andre nasjonar per i dag set inn, er ikkje i samsvar med dei utfordringane vi står overfor. Vi er eit lite land, men vi kan bidra meir. Eit av dei områda vi kan bidra på, er å bruke endå meir ressursar på å få fram gode løysingar som andre land kan nytte seg av i sitt klimaarbeid for å få ned utsleppa sine. No kjem representantar frå Kristeleg Folkeparti og Venstre etter meg. Eg utfordrar dei nok ein gong – det er sikkert siste moglegheit – på korleis dei ser føre seg at arbeidet med å redusere klimagassar blir, gitt at ein strevar etter å få eit politisk fleirtal og ei regjering som kjem til å utforme sine løysingar i skjeringspunktet mellom Framstegspartiet og Høgre. Det kunne vore interessant å vite. Til slutt vil eg takke komiteen for eit godt samarbeid

Hovedproblemet er at vi som tror på klimaendringene, ikke gjør nok. Jeg vil si at det er ganske absurd å stå her. Nå er det åtte år med flertallsregjering. Når man ser på klimautslippene, var de i 2005 på 54,3 millioner tonn. I 2012 er anslaget på 52,9 millioner tonn, altså har utslippene gått ned med kanskje Det er problemet. Problemet er at vi har en regjering som er opptatt av klima, som prøver å bekjempe klimaendringene, men som ikke klarer å gjennomføre nok tiltak. Vi er langt fra å nå målene. I Kyoto-forpliktelsene skulle vi kutte utslipp – eller vi kunne vel øke med 1 pst. I dag ligger vi 5,8 pst. – 5,2 pst. for 2013 – over utslippene sammenlignet med 1990. Sverige og Danmark har gjort mye mer. De ligger langt foran. Danmark har satt seg nye og offensive mål. De har mål om kutt opp mot 40 pst., og de vil nå dem, fordi de allerede har kuttet 20 pst. sammenlignet med 1990. Jeg bruker opp tiden min på å snakke om dette, men det er viktige poeng, for det er overordnet. Derfor er jeg ikke redd for at det for at det skal komme en ny regjering, for det er nettopp Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre som har presset regjeringen i to klimaforlik, i 2008 og i 2012, som har fått til mer konkrete forpliktelser, og som har bedret meldinger som var ganske skrale da de kom til Stortinget. Derfor synes jeg det er ganske absurd at vi står her dag. Det henvises til at flere av forslagene er fra klimaforliket,

Biogasstrategien har man ikke klart å legge fram sak på, selv om den har kommet fra departementet for en stund siden. Fra Kristelig Folkepartis side er jeg glad for at det nå ser ut til å gå mot et skifte, for jeg er sikker på at med Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre i spissen, vil man ha mye mer offensiv politikk på dette feltet enn dagens regjering har ført. Det har vi vist gjennom flere forslag her, og ikke minst gjennom det arbeidet som er gjort gjennom to klimaforlik i Stortinget. Jeg er

hvordan dette er. Sitatet er som følger: «… ensidige tiltak i bare ett land eller område løser ikke problemet. Ensidige tiltak kan i verste fall føre til flytting av produksjon og økte utslipp i andre land». For meg er det yndlingssitatet fra den såkalte perspektivmeldinga fra denne regjeringa. Dette er politikk som denne regjeringa står for. Jeg må innrømme at jeg sa at Fremskrittspartiet var på en annen klode da de gikk imot Kyoto 2-avtalen. Hva var begrunnelsen til Fremskrittspartiet for å gå imot Kyoto 2-avtalen? De ville ikke være med på en avtale hvor ikke alle land er med, for det mener de kan bety at utslippet bare blir flyttet til et annet land. For meg virker Fremskrittspartiets begrunnelse helt lik perspektivmeldinga fra regjeringa. Jeg syns de høres helt like ut. Derfor ser jeg ikke så stor forskjell. Det jeg vet, er at hvis Venstre får sitte ved bordet, kommer det til å bli andre løsninger. Når Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har forhandlet klimaavtale her i Stortinget, har det blitt andre løsninger. Vi har klart å presse det i riktig retning. Venstre kommer til å stemme for alle forslagene som ligger her i dag. Vi er glad for alle som gjør det. Vi er lei oss for alle som ikke stemmer for noen av disse forslagene. Men vi må være litt Problemet er at denne regjeringa ikke klarer å ha trykk på klimaarbeidet. Poenget er at man må ha noen som virkelig vil gjøre noe. Vi er nå i Oslo: Se hva som er gjort på kollektivtransporten, se hva som er gjort med andre utslipp, se hva som er gjort med hele bilparken i Oslo, se hva som er gjort med energiøkonomiseringstiltak, og se hva som er gjort med oljefyrer – se hvordan man har klart å forandre en hel by. by. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at Høyre og Fremskrittspartiet ikke alltid har stått og heiet på det. Men vi har fått det til. Vi har fått det til fordi Venstre alltid har hatt en finger med i spillet. Først vil eg seie at det er

arbeid, men som ikkje er ferdige: biogass, klimalov, belønningsordning, landstrøm, for å nemne nokre eksempel. I ein liknande kategori, men ikkje heilt lik, er det semje om retninga i klimaforliket, men der er det fremja forslag i tillegg. Eksempel på det er fleire av forslaga om køyretøy, der vi har eit 85-gradersmål. Her vert det fremja forslag om enkeltverkemiddel innanfor ramma av det, men òg forslag som

Så er det eit par punkt med reell usemje. Spørsmålet om skattefritak har allereie vorte nemnt frå talarstolen. For å seie det sånn: Det er eit relativt kjent eksempel på usemje mellom høgre- og venstresida i politikken om kva for verkemiddel som fungerer best. Det gjeld òg spørsmålet om CO2-rensing på Svalbard: Ikkje nødvendigvis om det er riktig, men om det er riktig å vedta det nå, all den tid vi har sett Gassnova til å gjere eit arbeid med å gå gjennom ein del potensielle moglegheiter. Eg meiner det ville vere feil å vedta det før den studien er ferdig, og før vi har det nødvendige faglege grunnlaget. Så vil eg berre kort seie at sidan toppåret i 2007 er bildet at norske klimagassutslepp går ned – ein klar nedgang sidan det. Vi har nå det lågaste nivået sidan 1995, bortsett frå finanskriseåret. Det er realistisk å nå Det er realistisk å nå målet i 2020, men det vil krevje ein enda større årleg nedgang. Men med det som ligg i klimaforliket, er det eit realistisk mål. Sidan det er semje om at klimaforliket er eit golv og ikkje eit tak, så er vi òg samde om at vi kan gjere enda meir om det er behov for det. Vi oppfyller altså Kyoto-avtalen – til punkt og prikke – gjennom EU-kvotar og eigne tiltak i Noreg.

alternative drivstoff, for de aktørene som ønsker å ta den i bruk – f.eks. norske kommuner som kanskje vurderer å etablere biogassanlegg? Er det rimelig med et halvt år, ett år, to år, tre år? Eller er kanskje syv år en ganske god horisont for den typen investeringsbeslutninger? Nå vet vi jo fra biodiesel-saken at regjeringen liker kortere tidshorisonter enn det. De åpner anlegg i mai og innfører nye rammevilkår i september eller oktober. Men hva mener statsråden om dette? Hvor lang forutsigbarhet skal vi ha? Eg meiner først og fremst at vi skal gjennomføre den evalueringa vi held på med, og ha kunnskapsgrunnlaget på bordet før vi tek ei avgjerd om vidareføring. Vi har jo hatt ei ordning nå som har gitt ein tidshorisont, akkurat som vi nå har ei ordning for elbilar til 2017. Når ein innfører slike ordningar, trur eg det er viktig at det ikkje vert ein automatikk i at alle støtteordningar eller fritak vi har, alltid skal vare evig. Poenget her er å drive fram innovasjon og endring – lat oss kalle det eit introduksjonstilbod. Det kan vere gode argument for å halde fram med ordninga, men eg meiner at vi skal gjennomføre den grundige evalueringa som er varsla, før vi tek ei endeleg avgjerd om det. Eksakt tidspunkt for når det skal skje, trur eg vi får kome tilbake til. Det er for øvrig naturleg å se det i samanheng med eit budsjett.

Men det er i hvert fall bra at det har kommet. Det skal regjeringen ha ros for. Mitt spørsmål går egentlig litt i den samme banen, fordi vi er tydelige på at vi i hvert fall ikke opplever at klimaforliket er overoppfylt. Statsråden sier at det skulle være gulvet. Jeg synes vi ligger litt i kjelleren, og at vi burde komme videre. I perspektivmeldingen står det at utslippene kommer til å ligge relativt stabilt fram mot 2020, men jeg tror ikke det er med klimaforliket. Da er spørsmålet: Hvis dette skulle tre i kraft nå – det burde ha trådt i kraft nå – hvorfor er det ikke innarbeidet i perspektivmeldingen? Svaret på det siste spørsmålet er at klimaforliket vart vedteke i Stortinget – eg meiner å hugse det var i juni i fjor. Når det så var ferdig, måtte ein lage det faglege grunnlaget for korleis det ville slå ut

pst.-målet innen 2020, eller 20 pst. i Norge. Er en reduksjon på 2,5 pst. i løpet av åtte år noe statsråden er fornøyd med? Eg brukte heller ikkje ordet «tilfreds», men eg sa kva som er fakta. Fakta er at norske klimagassutslepp steig og steig og steig fram til 2007, f.eks. gjennom heile det tiåret Kristeleg Folkeparti styrte og dominerte Noreg. Så har det gått ned sidan det. Det var ein ekstra nedgang i finanskriseåret, så opp igjen, men tendensen har vore nedgang etter det. Men som eg òg sa i mitt innlegg: Det må ein sterkare årleg nedgang til dersom vi skal nå måla våre i 2020 – ikkje massivt sterkare, men noko sterkare. Det er dei faktiske forholda om dette. Det er

man er imot som har provenybetydning for den norske stat. Og da stiller jeg meg spørsmålet: Man understreker hele tiden at dette er den viktigste enkeltsaken for verden, den største utfordringen vi står overfor. Men kanskje er det sånn da at dette bare er den nest viktigste, fordi den viktigste – hvis en skal ta dette på alvor – handler om å sikre statens inntekter? For den type forslag man er imot, er altså den type forslag som reduserer statens inntekter, men som ville gagne klimaet. Kan statsråden gi en vurdering av det? I dei forslaga vi vedtok i klimaforliket i fjor, og i meldinga og i det vi gjer på klima, så rullar milliardane – for å seie det slik – fordi det er viktig pengebruk. SV, og regjeringa, er tilhengar av både masse tiltak som kostar mykje pengar, og dei som drar inn pengar. Eg meiner at representanten Amundsen snudde det på hovudet. For tvert imot er det slik at Framstegspartiet gjennomgåande vegrar seg mot alle tiltak som kan påføre ein ekstra kostnad, men er tilhengar av tiltak som gjer at ein kan kutte skattar eller betale ut meir pengar. Og det vi veit verker i klimapolitikken, klimapolitikken, er kombinasjonen av ting som set ein pris på utslepp, altså tiltak som aukar kostnadene ved å sleppe ut CO2, kombinert med å støtte incitamentet for omstilling – enten det er til fornybar energi eller til annan type transport. Det er den kombinasjonen som er nødvendig å bruke

at f.eks. kommuner, fylkeskommuner og statlige instanser benytter miljøvennlige kjøretøy som går på CO2-fritt eller CO2-nøytralt drivstoff? Og hvis han er enig i det, hvorfor kan ikke da regjeringen være med på et forslag om at man nettopp innfører krav til offentlige instanser om at nye kjøretøy som de anskaffer, skal gå på denne typen miljøvennlig drivstoff innen utgangen av

mitt var meir at det vi vart einige om i klimaforliket, og som låg i meldinga, er at det er eit overordna mål å nå ned til 85 gram i snitt. Eg trur at det aller viktigaste er at det må vere eit breitt sett av verkemiddel som tek oss dit, og antakeleg er det slik at dei som er mest effektive, dei som er raskast – og med minst pengebruk og størst klimaeffekt – kan ta oss dit, og at vi ikkje heilt veit og heller ikkje bør styre i detalj kva

Jeg tegnet meg til representanten Amundsens innlegg, og jeg er bare enig med én ting han sa i innlegget, nemlig at SV har en god forklaring, som vi pleier å ha. Jeg er enig med dem som sier at vi ikke skal bruke så mye tid på Amundsen som klimaforsker. Jeg tror at det overskygger en mye mer interessant klimadebatt med mye viktigere konflikter, og tross alt er Amundsen mer interessant som politiker enn som klimaforsker. Her foreslås det at representantforslaget vedlegges protokollen, nettopp fordi regjeringa jobber med å gjennomføre de aller fleste av disse forslagene. Amundsen utfordret meg, og jeg kan si at jeg er enig med intensjonen i alle forslagene. Jeg er uenig i innretningen i en av dem, nemlig det med skattefradrag, der vi har andre virkemidler som vi mener er mer effektive, og det betyr at SV er enig i dobbelt så mye som SV er enig i dobbelt så mye som Fremskrittspartiet er enig i. Jeg kan love at Fremskrittspartiet aldri kommer til å slå SV på klimaambisjoner. Det viser jo ikke minst kåringen som Klimavalg 2013 nettopp gjorde, hvor Fremskrittspartiet kom på sisteplass. Blant stortingspartiene kom Venstre og SV på førsteplass. Først: Når det gjelder kåringer, så er faktisk jeg og en representant

hvordan de har dempet retorikken og kritikken av Fremskrittspartiet i klima- og miljøpolitikken i forhold til tidligere, for tilsynelatende å framstå som enige før valget. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle høre representanten Trine Skei Grande, eller representanten Ropstad, så ydmyke i forhold til Fremskrittspartiet og deres klimapolitikk som i dagens debatt. Ja, de forsvarer faktisk Fremskrittspartiet og deres klimapolitikk som i dagens debatt. Ja, de forsvarer faktisk Fremskrittspartiets standpunkter. Venstre og Kristelig Folkeparti, som ønsker å framstå som miljøpartier, har gitt miljø og klima på båten for å få regjeringsmakt. Hvis Fremskrittspartiets politikk ikke er så gal, ja, så er vel heller ikke regjeringens perspektivmelding det, slik representanten Skei Grande Til slutt vil jeg returnere takken fra komitélederen for et godt samarbeid og for gode debatter i komiteen så lenge jeg har vært med. gode debatter i komiteen så lenge jeg har vært med. Klimakåring: Av og til kjenner jeg på frustrasjon når jeg ser slike kåringer, fordi jeg har lært meg: Ikke hør på hva jeg sier, men se heller på hva jeg gjør. Jeg har – bare for å svare representanten Irene Johansen – ikke noe behov for å forsvare Fremskrittspartiet. Tvert imot: Vi er grunnleggende uenige i mange spørsmål, og jeg synes det er trist at de ikke anerkjenner menneskeskapte klimaendringer mer, at de ikke er villige til å se at det må gjøres mer med den store utfordringen. Men: Når en ser på dagens kart, med 16 forslag, så ser jeg at Fremskrittspartiet iallfall kommer til å støtte åtte forslag, og hadde disse åtte forslagene blitt vedtatt, ja, så hadde vi kommet lenger, vi hadde kommet nærmere Det er ikke dermed sagt at jeg er enig med Fremskrittspartiet eller har behov for å forsvare Fremskrittspartiet, men det viser iallfall at i praksis, i en del av sakene, så ville vi fått igjennom mer. Jeg har et mål om å komme i regjering, og Kristelig Folkepartis tydelige standpunkt er at vi håper at det blir en sentrum-Høyre-regjering, der tyngdepunktet ligger mest mulig i Kristelig Folkepartis politikk. Det ville vært en ambisiøs politikk, og det er i Stortinget, som presser regjeringen gang på gang. Da blir det også feil å bruke en karakterbok som gir Høyre dårligere karakter enn Arbeiderpartiet. Ja, jeg blir rett og slett overrasket. Det betyr ikke at jeg ikke er uenig med Høyre i noen av sakene, men hvem er det som har presset politikken videre? Hvem var det som gjorde den første klimameldingen – der du kunne oppsummert tiltakene på Hvem var det som gjorde den første klimameldingen – der du kunne oppsummert tiltakene på en post-it-lapp – mer konkret? Jo, det var Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Og det samme gjelder den andre klimameldingen. Min frustrasjon blir ikke mindre selv om statsråden understreker at man jobber med ting. Min utålmodighet er like stor. Det er ett år siden klimameldingen ble vedtatt. I perspektivmeldingen er det ikke engang henvist til målet om å redusere utslippene i Norge med 15–17 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020, det står bare: «Fram til 2020 skal Norge ta ansvar for å redusere utslippene tilsvarende 30 pst. av egne utslipp i 1990.» Vi skal altså ta ansvar for det. Vi skal ikke bare ta ansvar for det og kjøpe oss fri, vi skal ta ansvar gjennom å ta kutt i Norge, og disse tiltakene ville bidra til det. Det siste hjertesukket er egentlig bare at det er dette jeg mener er så synd, at debatten bare dreier seg om å anklage

fordi de var tannløse, lite ambisiøse, lite forpliktende og inneholdt få konkrete tiltak som faktisk ville føre til reelle utslippsreduksjoner. Da blir det ganske spesielt å høre representanten Egeland kalle Høyre en klimaversting – vi som har vært pådrivere gjennom to klimaforlik, og vi fikk faktisk på plass tiltak som nå bidrar til at utslippene er langt lavere enn det de ellers ville vært. f.eks. regnskogsatsingen! Hvem var det som foreslo den? Jo, det var Høyre. Og på mange andre områder er det vi som har fått til forpliktende tiltak, som å trappe opp miljøteknologifondet raskere. Vi foreslo å øke avkastningen – det fikk vi ikke gjennomslag for – for å videreføre fordelene for nullutslippsbiler til 2017 og 50 000 biler. Det var opposisjonen som fremmet disse forslagene, regjeringen kom ikke Så det å høre at vi skal være lite ambisiøse og at vi er en klimaversting fra et parti som åpenbart ikke har klart å levere en ambisiøs miljøpolitikk i løpet av de åtte årene de har hatt muligheten til å gjøre det, faller på sin egen urimelighet. Det hjelper faktisk ikke å si fra talerstolen, slik representanten Egeland gjør, at man er for intensjonen i alle forslagene. Man må faktisk stemme for dem også, og det er det Fremskrittspartiet sier at de vil gjøre for åtte av de 16 forslagene, mens jeg registrerer at verken representanten Egeland eller andre fra hans parti eller regjeringspartiene vil støtte noen av disse forslagene. Dermed er det faktisk ikke noen tvil om hvem som drar landet i en grønn retning, og hvem som er drivankeret i denne prosessen. Vi – Høyre – er pådrivere. Vi har gjort denne regjeringen grønnere enn det den ellers ville vært. Vi ønsket å gå lenger i dag. Jeg registrerer at vi ikke får noen støtte for det, men som miljøvernministeren sa: Klimaforliket er et gulv. Vel, vi ønsker å heve det gulvet. Det er åpenbart ikke regjeringspartiene villig til å være med på i dag, men kanskje

blir noe overdrevet av andre politiske partier. I dag har vi hatt en debatt som vitner om det siste eksemplet, hvor man forsøker å lage en debatt der man blir invitert til å diskutere 16 klimatiltak som er fremmet. Men så forsøker man fra regjeringspartienes side å gjøre det til en debatt om Fremskrittspartiet, og at Fremskrittspartiet ikke tror nok på menneskeskapte klimaendringer. Det er for øvrig en svært interessant diskusjon, men i Fremskrittspartiet, og at Fremskrittspartiet ikke tror nok på menneskeskapte klimaendringer. Det er for øvrig en svært interessant diskusjon, men i dag skulle vi altså diskutere disse 16 tiltakene. Jeg skjønner hvorfor både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har en interesse av å diskutere oss, for de har en så vanvittig – jeg vet ikke om det er uparlamentarisk, president

nettopp den typen debatter vi har i dag. SV har flere ganger i debatten gjentatt at dette er den største utfordringen menneskeheten står overfor. Ja vel, men man er ikke villig til å gå inn på forslag som ville være med på å imøtekomme den virkelighetsbeskrivelsen. Fremskrittspartiet støtter åtte av disse 16 tiltakene. Vi støtter halvparten. SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet støtter null. Det blir litt underlig når Fremskrittspartiet, som blir fremstilt som klimafornekterpartiet i dagens debatt, klarer å bli enig om åtte tiltak som regjeringspartiene ikke klarer å stille seg bak. Det viser mangelen på sammenheng mellom retorikk på den ene siden og politikk på den andre, og det sier noe om den totalt manglende troverdigheten regjeringspartiene har på dette feltet. Representanten Lars Egeland har hatt ordet to ganger tidligere i debatten, men får som sakens ordfører en taletid på inntil 3 minutter.

var noe av det som avgjorde da Klimavalg 2013 kåret de klimavennlige partiene og klimaverstingene, og der kom Høyre på nest siste plass, som de delte med Arbeiderpartiet – hvis det beroliger Astrup at vi får hele historien. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Presidenten har ikke fått noe utkast til

Presidenten har ikke fått noe utkast til debattopplegg. Vi skal nå diskutere et representantforslag fra Fremskrittspartiet med sju forslag med tiltak for å bedre infrastrukturen innen drikkevannsforsyningen og avløp i Kommune-Norge. Det er en samlet komité som er opptatt av god infrastruktur innen drikkevannsforsyningen og avløp. Det er avgjørende at infrastruktur som ledningsnettene vedlikeholdes og fornyes i en takt som sørger for god kvalitet på drikkevannet og tilstrekkelig kapasitet i avløpsnettet. En samlet komité er enig i at det er et stort vedlikeholdsetterslep på Flertallet i komiteen, som i denne saken er alle minus Fremskrittspartiet, viser til at økte nedbørsmengder i forbindelse med klimaendringer vil gjøre presset på avløpsnettet større. Vi har en rekke lover og forskrifter som regulerer vann- og avløpstjenesten i Norge. Komiteens flertall peker på at statsråden i sitt svarbrev viser til Meld. St. nr. 33 for 2012–2013 om klimatilpasninger i Norge, som Der foreslås det bl.a. å opprette et offentlig utredningsutvalg som skal vurdere gjeldende regelverk og komme med eventuelle forslag til forbedringer av rammebetingelsene for kommunens håndtering av økende mengder overvann ved klimaendringer. Komiteens flertall peker på at vann- og avløpstjenesten er et kommunalt ansvar som finansieres over vann- og Regjeringen har gjort flere tiltak den siste tiden for å bidra til at kommunen kan sikre denne viktige infrastrukturen på en god måte, slik at samfunnshensyn ivaretas. Er det et godt samarbeid mellom lokale og sentrale myndigheter, får vi en bedre vann- og avløpstjeneste. Regjeringen har nylig hatt på høring et forslag om å endre retningslinjene for kommunal selvkost. Det kan føre til mulige Norge er part i den internasjonale Protokoll om vann og helse og har forpliktet seg til å fastsette mål for å sikre god kvalitet på drikkevannet. Det har akkurat vært på høring forslag til slike nasjonale mål for vann og helse på drikkevanns - og sanitærområdet. Her er det et mål at vi skal klare å oppnå den standarden som er fastsatt i regelverket som drikkevannsforskriften og vannforskriften tilsier. gjorde vi her i Stortinget en lovendring i lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, der bl.a. alle nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommunene. Flertallet i Stortinget støttet dette, med unntak av Fremskrittspartiet. Dette gjorde vi for at innbyggerne i kommunene må få tilstrekkelig og rent drikkevann og ha et godt avløpsnett som sikrer god hygiene. For å få kvalitet, sikkerhet og langsiktighet i vann- og avløpssektoren mener flertallet at disse anleggene må være kommunalt eid. Flertallet mener at basisinfrastruktur i kommunen som vann- og avløpsanlegg skal være et offentlig anliggende når det gjelder Vedlikehold av anlegg og god kontroll av anleggene er helt avgjørende for å ha en god standard på anleggene og for å unngå det som skjedde med drikkevannet i Bergen for noen år siden. Drikkevannskilden til kommunens innbyggere kan være sårbar. Det så vi også under stormene i vinter. Eierskapet til vann- og avløpsnettet må ses i lys av sikkerhet og beredskap. Stort behov for fornyelse av ledningsnettet taler for offentlig eierskap for å få framdrift i vedlikeholdet, som har et stort etterslep. Kommunalt eide vann- og avløpsanlegg er sikret finansiering gjennom vann- og avløpsgebyr fra abonnentene. Gebyrinntektene skal i sin helhet gå til å dekke kommunens kostnader på området. En kommune skal ikke kunne organisere seg bort fra selvkostprinsippet. Dette innebærer at loven også gjelder for kommunale aksjeselskaper som er eid av en kommune, i tillegg til selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunalt samarbeid. I Norge er det vanlig at utbyggingsoppgavene i stor grad konkurranseutsettes til private aktører, mens det er kommunen selv som står for drift og forvaltning av anleggene. De sju forslagene fra Fremskrittspartiet blir ikke støttet av noen av de andre partiene, og vi foreslår at de vedlegges protokollen. Jeg regner med at forslagsstillerne fremmer mindretallets syn i denne saken.

I lys av desse opplysningane meiner Framstegspartiet at det er oppsiktsvekkjande at betring av drikkevatnforsyninga og forbetring av avløpsnettet ikkje har vore prioritert høgare dei siste åra. Framstegspartiet har merka seg at det er vorte foreslått å opprette eit offentleg utgreiingsutval som skal vurdere gjeldande regelverk og eventuelt kome med forslag. Framstegspartiet meiner at dette tiltaket kan oppfattast som å bere preg av ansvarsfråskriving og manglande handlekraft. Det er ei kjensgjerning at mesteparten av vass- og avløpsrøyr rundt om i landet er over 100 år, og i Bergen vert det sagt at nokre av desse røyra framleis er av trevirke. Framstegspartiet har på bakgrunn av dei faktiske forholda omkring norske vass- og avløpstenester forslag der vi ber regjeringa fremme forslag om ein samla plan for fornying og oppgradering av vassforsyning og avløpsnettet, og vi har med fleire punkt der vi har med fleire punkt der vi beskriv kva for virkemiddel som bør takast inn i planen. Eg tek opp desse forslaga. Representanten Åge Starheim har tatt opp de forslagene som han
har vi stor forståelse for flere av forslagene og intensjonen i representantforslaget. Vi er imidlertid litt bekymret for at noen av forslagene vil bidra til økt detaljstyring og byråkratisering av kommunal sektor. Vi regner faktisk med at det ønsker heller

fordi myndighetsansvaret og lovreguleringen er fordelt på en rekke departementer, bl.a. Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Ingen av departementene har imidlertid helhetlig eller koordinerende sektoransvar, og som følge av myndighetsorganiseringen er bransjen underlagt et ganske fragmentert lov- og forskriftsverk. Derfor mener vi i Høyre at det er behov for en helhetlig sektorlov i tråd med de faglige føringene som lå i den offentlige utredningen fra 2006. Jeg ser at statsråden ikke har tegnet seg på talerlisten, men jeg vil utfordre ham litt på om det er på gang et arbeid om en slik sektorlov.

om at Norge trenger utenlandsk arbeidskraft. Forslagsstillerne viser bl.a. til behandlingen av St.meld. nr. 18 for 2007–2008 om arbeidsinnvandring, da Stortingets flertall, alle unntatt representantene fra Fremskrittspartiet, var enige om at regelverket på området skulle gjøres enklere og mer oversiktlig. Vi var også enige om at saksbehandlingsprosedyrene skulle forbedres, og at det skulle iverksettes en rekke tiltak for å legge til rette for å dekke behovet for utenlandsk arbeidskraft. Forslagsstillerne viser til at norsk arbeids- og næringsliv vil ha behov for spesialkompetanse for å klare konkurransen med internasjonale selskaper, og at det av flere grunner ikke er noen selvfølge at den kompetente arbeidskraften søker seg til Norge. Det er etter hvert bred oppslutning om at Norge er blitt et flerkulturelt land, der innvandrere beriker både samfunnet og arbeidslivet gjennom den erfaring, kunnskap, arbeidsvilje og innsats de bidrar med. De har også ideer som kan bidra som følge av at de har en annen kulturelle bakgrunn. byr det flerkulturelle samfunnet på utfordringer som må løses for å kunne realisere hvert enkelt menneskes muligheter. Et flertall i komiteen mener grunnleggende verdier som demokrati, ytringsfrihet og respekt for enkeltmennesket må ligge til grunn for et flerkulturelt Norge. Vellykket integrering bygger på gjensidighet i plikter og rettigheter, kommunikasjon, anerkjennelse og respekt for hverandre som mennesker. Derfor er det viktig å styrke innsatsen for å få flere innvandrere til å delta i arbeidslivet. Det er bred enighet om at utgangspunktet for dem som ikke har et beskyttelsesbehov, må være at de kan forsørge seg selv og sin familie. Høyre stiller klare økonomiske krav til dem som henter familien til landet. Det å bli fullverdig medlem av det norske samfunnet som statsborger innebærer både rettigheter og plikter. Det stiller krav til den enkelte, men det krever også at samfunnet godtar nye statsborgere. De som får norsk statsborgerskap, har bodd i Norge i flere år. Da må samfunnet forvente at de i løpet av denne perioden har tilegnet seg et kunnskapsnivå om både språk, Ethvert rettssamfunn må bekjempe diskriminering uansett på hvilket grunnlag det skjer. Høyres utgangspunkt er at det er enkeltmennesker som blir diskriminert. Beskyttelse mot diskriminering må derfor knyttes til individer, ikke grupper. Vi har i merknadene i denne saken vist til Høyres representantforslag fra 2011, hvor vi definerte ti punkter for en bedre integrering. Vi foreslo da å styrke innvandrernes muligheter gjennom språk og arbeid, å utrede suksesskriteriene for flerkulturell rekruttering og å foreta språkkartlegging før skolestart. Vi ville, som Venstre, ha noe vi kalte for et hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente bedrifter. Vi ville ha en blått kort-ordning. Vi ville ha aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og gratis kjernetid i barnehagen når eller far deltar på introduksjonskurs. Vi ville ha godkjenningsordninger for innvandrernes utdanning. Vi ville styrke boligpolitikken og ha en språk- og kunnskapstest for statsborgerskap. En rekke av disse forslagene er sammenfallende med intensjonen i Venstres representantforslag, men ikke alle. Men vi signaliserer her og nå at vi

utlandet. Det var en enstemmig komité som innstilte på at forslagene skulle vedlegges protokollen, så jeg registrerer at Høyre har endret oppfatning siden vi avga innstilling i saken. Jeg har lyst til å rette blikket bakover, mot perspektivmeldingen, som ble behandlet her i Stortinget 29. april i år. Der beskriver regjeringen framtidige utfordringer og muligheter for norsk økonomi og velferd, herunder den kraftige økningen i arbeidsinnvandringen til Norge etter EU-utvidelsen i 2004. Fra 2005–2012 har det blitt om lag 330 000 flere sysselsatte i landet. Det er mer enn ti ganger så mange som i perioden 2001–2005. Rundt 60 pst. av denne økningen har vært innvandrere. Bedrifter og offentlige arbeidsgivere ville ikke hatt mulighet til å hente denne arbeidskraften innenlands, så arbeidsinnvandrere representerer et positivt tilskudd til arbeidsstyrken. De bidro til å forlenge den sterke oppgangskonjunkturen i norsk økonomi i forkant av finanskrisen, og de to siste årene har vi igjen sett at arbeidsinnvandring bidrar til økt produksjonskapasitet og evne til omstilling i norsk økonomi. Det er, som saksordføreren sa, bred enighet i Stortinget om at arbeidsinnvandrere representerer en ressurs for Norge, og at det er viktig at vi greier å rekruttere kvalifisert arbeidskraft på en rask og effektiv måte. Jeg vil samtidig minne om at regjeringen til nå har lagt fram tre handlingsplaner mot sosial dumping. Det er viktig at rekruttering av arbeidskraft skjer innenfor de spillereglene som gjelder i norsk arbeidsliv. Komiteen fremmet opprinnelig en enstemmig innstilling om at forslagene fra Venstre skulle vedlegges protokollen. Begrunnelse for det

Forslag nr. 3 om forhåndsgodkjenning, forslag nr. 5 om at arbeidsgiver i større grad skal bestemme kravene til kompetanse, forslag nr. 6 om enklere prosedyrer for fornyet arbeidstillatelse, forslagene nr. 8 og 9 om familieinnvandring ble alle fremmet i representantforslaget fra Høyre som ble behandlet her i salen i november 2011, og de var ikke helt nye den gangen heller. Forhåndsgodkjenning av bedrifter ble vurdert og forkastet i forbindelse med St.meld. nr. 18 for 2007–2008 Arbeidsinnvandring i juni 2008. I stedet ble det innført en enklere ordning med tidlig arbeidsstart, som også innebærer at det er arbeidsgiveren som vurderer arbeidstakerens kompetanse. I EFFEKT-programmet er det allerede innført enklere prosedyrer for fornyelser. Familieinnvandringssakene fra tredjeland tar nå ca. tre måneder. Siden det er snakk om familieinnvandring, må nesten arbeidsinnvandreren få sin søknad godkjent først. Forslag nr. 4 omhandler godkjenning av utenlandsk utdanning, og det var et viktig tema da Stortinget i mars i år behandlet integreringsmeldingen. Saken er til oppfølging i Barne- og likestillingsdepartementet. Det samme er spørsmålet om yrkesrettet språkopplæring. Forslag nr. 7 omhandler rask saksbehandling i UDI, som er et arbeid som pågår, som allerede har gitt gode resultater, og som vil bli videreført. Det omfatter også den delen av saksbehandlingen som skjer i politidistriktene. Det jobbes kontinuerlig med bedret informasjon, også i samarbeid med frivillige organisasjoner. Avslutningsvis er det grunn til å understreke at vi er enige i mange av intensjonene bak de forslagene som fremmes, men at flertallet anser disse intensjonene som godt ivaretatt allerede. Siden Venstre nå har valgt å droppe fem av de opprinnelige forslagene, tyder det kanskje på at Venstre også er enig i at mye av dette allerede er godt ivaretatt. Eg har berre behov for å kome med ei stemmeforklaring: Framstegspartiet kjem til å støtte Venstres forslag nr. 4, nr. 5, nr. 6 og nr. 7. Neste taler

går smidig og greit, og at vi får de folkene vi trenger. Dette er et område som jeg har jobbet mye med. Jeg kan si at på innvandringsfeltet har jeg tre ankepunkter mot regjeringa: Det er byråkratiet knyttet til arbeidsinnvandringa, det er vanskelighetene knyttet til familiegjenforeninger, og det er asylbarna. Dette er da ett av de feltene vi jobbet mye med. Vi besøkte mange bedrifter som er avhengige av å kunne konkurrere om høyt utdannete folk også fra andre land. Mange av dem oppdager at de taper i fra andre land. Mange av dem oppdager at de taper i konkurransen på grunn av at det tar for lang tid. Når IT-bedrifter skal hente inn topp IT-ingeniører, f.eks. fra India, som er så attraktive at de får jobb nesten hvor det skulle være på kloden, taper vi de overgangslukene som er, fordi byråkratiet er for stort, stort, og det tar for lang tid å få en avklaring om ansettelsesforhold – og så har Canada eller andre land snappet de kloke hodene fra oss. Det er fem forslag i representantforslaget der vi syns at regjeringa har en god forklaring på hvorfor man ikke skal stemme for dem i dag, så det er fem forslag vi har valgt ikke å fremme. Men når det gjelder de andre forslagene, mener vi oppriktig at det ikke ligger noen gode motargumenter i meg, er det store spriket mellom den framstillinga norsk næringsliv gir, og den som regjeringa gir, av hvor bra dette går, og hvor korte fristene er. Jeg tror at når man f.eks. snakker om hvor lang tid UDI bruker på papirene, bare regner med tida i UDI og ikke den tida det tar å levere dem til politikammeret og få dem videre derfra. Vi har opplevd at et stort politikammer som Bergen vil behandle saken før man sender den videre til UDI. Man vil, ifølge dem som jeg har snakket med, kvalitetssikre alt i søknaden før den sendes videre – det anser de som en politioppgave. Det er en informasjon som, sett i lys av dagens politianalyse, viser at det er en del steder i politisystemet vårt der det prioriteres ganske feil, og der man så opptatt av å gjøre jobben ifølge boka at man ikke gjør det på den mest effektive måten: bare la UDI få ta over søknaden med én gang. Jeg tror at det er derfor det er et så enormt stort sprik mellom det som regjeringa sier er fristen, som er UDIs behandlingstid, og den behandlingstida som oppleves for hver enkelt bedrift. Det er så mange skjær i sjøen før man i det hele tatt får levert søknaden dit den skal behandles. er så mange skjær i sjøen før man i det hele tatt får levert søknaden dit den skal behandles. Jeg kunne ha gått inn på flere av forslagene våre, men poenget vårt er at en må lage smidige ordninger som tar utgangspunkt i næringslivets behov og ønsker, for dette er næringslivets behov og ikke folks behov for å komme til Norge – det har vi helt andre ordninger til å ivareta. Vi kan helt klart sette krav til dem som kommer hit, men først og fremst er de vi snakker om her, de som kommer til Norge fordi vi trenger dem for å skape den velferden, de arbeidsplassene og det næringslivet som vi skal leve av, og som våre fellesutgifter skal dekkes av. Jeg vil gjerne ta opp alle de sju forslagene. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp de forslagene hun refererte til, og som nå skal være omdelt på representantenes plasser i salen.

og til at viktige oppgaver blir utført, og den tilfører nyttig kompetanse. Grunnlaget for dagens politikk ble lagt i arbeidsinnvandringsmeldingen som regjeringen la fram i 2008, og målet for politikken er å legge til rette for at bedrifter og virksomheter kan rekruttere kvalifisert arbeidskraft fra utlandet på en enkel og effektiv måte. Samtidig skal hver enkelt arbeidstaker sikres gode forhold i norsk arbeidsliv. Kampen mot sosial dumping er derfor en veldig viktig del av regjeringens arbeidsinnvandringspolitikk. Politikken må utformes slik at arbeidsinnvandring bidrar til en bærekraftig utvikling av velferdssamfunnet. Framtidig etterspørsel etter arbeidskraft bør i hovedsak dekkes ved å mobilisere innenlandske arbeidskraftressurser. Arbeidsinnvandring utover dette skal supplere innenlands arbeidskraft, ikke erstatte den. Slik får vi et velfungerende arbeidsmarked. Jeg oppfatter det slik at Venstre stiller seg bak hovedlinjene i dagens politikk. Det er bred politisk enighet i Norge om at vi trenger arbeidskraft. Vi har ganske nylig hatt en bred gjennomgang av arbeidsinnvandringspolitikken, og nye ordninger er innført, flere i tråd med Venstres forslag. Jeg vil knytte noen betraktninger til enkelte av forslagene. Forslagsstiller foreslår å gjeninnføre spesialisthjemmelen, slik at bedrifter kan ansette ikke-faglærte arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området. Det er ikke en gjeninnføring av det den tidligere bestemmelsen var ment å dekke. Formålet med spesialistbestemmelsen var rask og effektiv rekruttering av høyt kvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EØS-området. Behovet for ufaglært arbeidskraft dekkes bl.a. av nordmenn og andre borgere i Derfor ønsker vi bare å åpne arbeidsmarkedet for faglært arbeidskraft fra tredjeland. Forslaget om å utvide «tidlig arbeidsstart» ved forhåndsgodkjenning av bedrifter og utdannings- og forskningsinstitusjoner har vært vurdert tidligere. Vurderingene viste at forhåndsgodkjenning er administrativt krevende og fører til lengre, ikke kortere, saksbehandlingstider. I dag er situasjonen slik at det er få klager på lang saksbehandlingstid i arbeidssaker. Tall og tilbakemeldinger fra arbeidsgivere tyder ikke på at det er store administrative barrierer som vanskeliggjør rekruttering, eller motvirker arbeidsinnvandring til Norge. Saksbehandlingstiden har nemlig gått ned, og selv om sakssammensetting og resultatkrav har endret seg, og tallene ikke kan sammenlignes helt, helt direkte, gir de allikevel et bilde. I slutten av 2009 ble 38 pst. av søknadene fra faglærte behandlet på under én måned, mens hele 28 pst. tok lengre tid enn tre måneder. Nå behandles 65 pst. av sakene innen fire uker og 83 pst. innen åtte uker. Departementet følger saksbehandlingstiden nøye og vurderer løpende tilpasninger og endringer som kan effektivisere ytterligere. Vi ber også stadig om råd fra arbeidsgivere om hvordan vi kan få til et enklere og mer effektivt system. Forslaget om å endre reglene, slik at kravene til kompetanse som faglært i større grad bestemmes av arbeidsgivere, er gjennomført ved ordningen «tidlig arbeidsstart». Arbeidsgiver har ansvar for at kompetansen er god nok, han rekrutterer direkte, og arbeidstaker kan begynne å arbeide før søknaden er ferdig behandlet. Enkle rutiner for godkjenning av utenlandsk arbeidskraft letter rekrutteringsprosessen. Tiltak som

og den kvalifiserte arbeidskraften er det stor konkurranse om både i Europa og på verdensbasis. Som Trine Skei Grande også nevnte, vet vi at kvalifisert arbeidskraft kan gå til andre land som trenger den hvis vi har for lang saksbehandlingstid hos oss. Ser statsråden at dette kan være en ulempe for oss, kvalifisert arbeidskraft hvor bedriftene har et behov for å få kjapp saksbehandling? Svaret på det er at ordningen med «tidlig arbeidsstart» er bedre enn det som foreslås, at enkelte bedrifter skal forhåndsgodkjennes, for det mener vi vil kreve et større byråkrati. Jeg mener at den ordningen vi har valgt, er bedre enn det som foreslås her. Det som er viktig for meg, er at vi får rask behandling av alle

bl.a. at det tar veldig lang tid å få levert papirer hos politiet, at det er veldig innrammet når og hvordan man kan gjøre det, og at man opplever at det kan gå fram og tilbake i det førsteleddet mange ganger. Mitt spørsmål til statsråden er om hun er helt sikker på at de fristene hun forteller om til Stortinget, er de reelle fristene som folk som begynner å jobbe med en sak, opplever. Når jeg oppgir prosentvise tall på hvor mange søknader som er ferdigbehandlet på en måned, gjelder det selvfølgelig ikke alle. Jeg ser ikke bort fra at representanten Skei Grande har vært borti tilfeller som har hatt lengre saksbehandlingstid, men det jeg får opplyst om, er tallene på hvor lang tid det tar når det gjelder å behandle alle søknadene. Det er de

innlevering, politiets rolle og politiets behandlingsdel er tatt med i de beregningene, eller om de tidsrommene som blir oppgitt, er UDIs behandlingstid av søknaden. Dette er det jeg har fått opplyst som tiden det tar i UDI. Hvis man skal ha detaljerte svar på hvor mye man har brukt på den enkelte politistasjon osv., må jeg nesten komme tilbake til representanten med det. Det er ingen tvil om at vi på dette området mottok mange flere klager før enn det vi gjør nå, og at bedriftene i hovedsak er fornøyde med den behandlingen de får. Ikke alle er det, men at det går mye mer effektivt, kan det være liten tvil om. Det virket som statsråden var så sikker på at hun fikk det siste ordet nå, så jeg måtte benytte sjansen. Vi får ganske mange tilbakemeldinger. Det handler om at det er veldig mange flere som har et ønske om å komme inn, og veldig mange flere norske bedrifter har et veldig internasjonalt miljø, så presset blir stort. Da må jeg spørre om statsråden kan tenke seg å ta et initiativ overfor justisministeren når det gjelder å effektivisere politiets del av dette, for det er der vi får klager. Vi får klager på at det både er byråkratisk, tungvint, og setter store kjepper i hjulene for dem som ønsker å få

føye til at en del av EFFEKT-programmet også går ut på å bedre kommunikasjonen mellom politiet og UDI. Det jobbes med som bl.a. skal kunne muliggjøre det en i sin tid kalte en tjukk førstelinje, slik at til og med flere saker også kan behandles ute og ikke nødvendigvis må inn og sentraliseres. Det er også et arbeid som er i gang. Det er ikke tvil om at representanten Skei Grande har rett i at i de overgangene har det fram til nå og fram til en får skikkelige dataprogrammer på plass, vært mye manuell håndtering, som har tatt mye mye manuell håndtering, som har tatt mye tid. Jeg vil bare helt til slutt replisere til representanten Halleraker at det da vitterlig var Venstres opprinnelige tolv forslag vi behandlet i komiteen. Det er ingenting i veien for at andre partier i komiteen kan gjøre de forslagene til sine. Det har vi gjort mange ganger når vi har vært enige. Det var derfor jeg var litt overrasket over at det nå var en endret innstilling, men det er greit.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

Linda Hofstad Helleland er dessverre syk. Det gir meg en kjærkommen anledning til å få lov til å komme hit og snakke om likestilling. Jeg vil begynne med å takke Venstre for å ha løftet frem et – jeg vil si – stort og sammensatt Dokument 8-forslag, som reiser en lang rekke viktige spørsmål. spørsmål. Aller viktigst er det å løfte frem dette temaet, et tema som nok må fornyes. Selv om vi i vårt samfunn ser likestilling som en selvfølge, skal vi ikke grave så mye under overflaten før vi ser at det fremdeles er utfordringer vi bør ta tak i. Jeg regner med at de enkelte partier vil redegjøre for sine standpunkter, men for Høyre er det særlig tre områder jeg velger å løfte frem i dette innlegget. Det dreier seg om kampen mot vold og undertrykking av kvinner, bedre likestilling for minoritetskvinner og rett til heltid og mer fleksibel arbeidstid. Vold, misbruk og utnyttelse av kvinner er brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Kvinner utgjør 75 pst. av ofrene for menneskehandel, 73 pst. av ofrene for mishandling i familieforhold, og blant ofrene for seksualforbrytelser utgjør kvinneandelen 87 pst. I tillegg til at vold svært ofte gir psykiske og fysiske belastninger som det er vanskelig for den enkelte å takle, viser studier at krisesenterbrukere ofte mangler tilknytning til arbeidslivet og har et manglende eller lite støttende sosialt nettverk. Høyre mener samfunnet må sørge for bedre støtte og hjelp til voldsofre. Vi vil ha en nasjonal offeromsorg med en helhetlig offentlig tenkning for oppfølging, hjelp og støtte til ofre av voldskriminalitet, først og fremst for å tilby hjelp, men også for å bistå offeret gjennom å gi kunnskap om egne rettigheter. Høyre vil også ha en egen nasjonal rapportør mot menneskehandel, økt oppmerksomhet om bekjempelse av seksualisert vold mot kvinner og menneskehandel i politiet og bedre kompetanse i det offentlige hjelpeapparatet for å avdekke menneskehandel, kjønnslemlestelse, seksualisert vold, familievold og æresrelatert vold. I Norge har det blitt en selvfølge at kvinner og menn skal ha like muligheter til fullverdig samfunnsdeltakelse. I integreringsarbeidet må vi ivareta dette bedre, slik at kvinner i aktuelle innvandrermiljøer får kunnskap om hvilke rettigheter vårt samfunn kan tilby dem, og at om at det for oss er en selvfølge at de skal ha de samme rettighetene som menn, og faktisk ha den samme deltagelsen. Tall fra SSB viser at sysselsettingsgraden for innvandrerkvinner er 10 pst. lavere enn hos innvandrermenn. I befolkningen totalt er forskjellen bare halvparten av dette. Høyre har prioritert gratis barnehageplass for deltagere på introduksjonskurs, utvidet tilbud om språkkartlegging av alle og en styrking av integreringsarbeidet i de frivillige organisasjoner. Høyre vil styrke språkopplæring og andre målrettede tiltak, slik at flere kvinner med minoritetsbakgrunn kan og vil delta i arbeidslivet. Vi vil styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrer- og flyktningkvinner i det norske samfunnet. Ikke minst gjelder det personer som får opphold etter Norge er langt fremme i likestillingsarbeidet. Vi har et særlig ansvar for å bidra positivt til å fremme likestilling i andre samfunn med vesentlig større likestillingsutfordringer enn det norske. Det å sikre jenter og gutter lik tilgang til skole er en grunnleggende menneskerettighet som alle jenter må gis tilgang til. I tillegg oppnår man med dette mange andre bedringer i disse jentenes livssituasjon. Jenter som får skolegang og utdanning, livssituasjon. Jenter som får skolegang og utdanning, giftes bort senere, de får færre barn i gjennomsnitt, og barnedødeligheten synker. I tillegg må kvinners rolle for fredsbygging og fredsbevaring styrkes og kvinners menneskerettigheter under konflikter beskyttes bedre. Høyre vil prioritere utdanning sterkere, særlig for jenter i utviklingspolitikken, og styrke arbeidet mot seksualisert med særlig oppfølging av FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325. Med dette vil jeg ta opp de forslag Høyre er alene om eller med på. Representanten har tatt opp de forslagene han refererte til. refererte til. Jeg vil gi ros til partiet Venstre for å ha fremmet et omfattende og grundig Dokument 8-forslag som gjør at vi her på tampen av denne stortingssesjonen får muligheten til å ha en skikkelig likestillingsdebatt i denne salen.

parti. Veldig mye av det som tas opp også i dette Dokument 8-forslaget, dreier seg om kjønnskvotering og fedrekvoter. Jeg må si at for et parti som Venstre, som er så opptatt av spørsmål som dette, har de havnet i særdeles dårlig selskap sammen med Høyre og Fremskrittspartiet. Dokument 8-forslaget dokumenterer tydelig at vi fremdeles har en lang vei å gå i likestillingsarbeidet, og at slike virkemidler som både regjeringspartiene og også Venstre er opptatt av, er nødvendige hvis vi skal komme videre. En rekke tiltak blir fremmet i forslaget, og flere av dem er man allerede i gang med å kvittere ut i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er ingen hemmelighet at bare i løpet av noen få uker vil det bli framlagt en stortingsmelding om likestilling. De som trer sammen i Stortinget til høsten, får da god mulighet til å diskutere den framtidige likestillingspolitikken i Norge. I tillegg til at man bør fremme en rekke konkrete forslag for å få på plass mer reell likestilling i Norge, har vi dessverre fremdeles en del strukturelle utfordringer i likestillingsarbeidet. likestillingsarbeidet. Det dreier seg ikke minst om hvem som har ansvar i offentlig forvaltning og i bedrifter når det gjelder likestilling, men også om at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret i Norge fremdeles er sterkt framtredende. Vi har fremdeles veldig gammeldagse holdninger med tanke på hvordan kvinners og menns roller er i dette samfunnet. Vi kan se det, ikke minst når det gjelder gutter og jenter, på hvordan de blir behandlet når de begynner i barnehage. Det har vi forskning på fra Agderforskning. Vi kan se det når gifte menn faktisk ligger kortest tid på rehabiliteringsinstitusjoner, mens ugifte menn ligger lengst, mens det ikke er noen forskjell mellom gifte og ugifte kvinner i det hele tatt. Det er lengst, mens det ikke er noen forskjell mellom gifte og ugifte kvinner i det hele tatt. Det er det tall fra Steinkjer kommune som viser, da de undersøkte sine likestillingsbilag og hvilken praksis de hadde på det. Vi har også erfaringer fra mange fedre på helsestasjonene som melder tilbake at de ikke akkurat møter stor forståelse for at de kommer dit med sin lille pode. Det viser at vi har en rekke strukturelle utfordringer, utfordringer, som bl.a. også Skjeie-utvalget skriver i sitt dokument. Vi har en grundig jobb å gjøre i årene framover. Jeg er ganske sikker på regjeringen vil fremme en rekke forslag når den kommer med forslaget sitt om noen uker, slik at vi kan få på plass mer likestilling der folk bor. Jeg har lyst til arbeidstid, fordi det nok er ganske stor uenighet mellom regjeringspartiene på den ene siden og både Venstre og høyrepartiene på den andre. Man framstiller det som at om man svekker arbeidsmiljøloven og gjør den mer fleksibel – les: anledning til mer overtid og nattarbeid – vil det bidra til mer Det er faktisk arbeidsmiljøloven, det at vi har regulert arbeidstid, som har gjort det mulig for småbarnsforeldre å kunne kombinere det å ha små barn med det å kunne være yrkesaktive, i tillegg til at man har foreldrepermisjonsordninger og gode barnepassordninger gjennom barnehager. Hvis man på en måte begynner å svekke arbeidstidsordningene, bidrar det til at arbeidstidsordningene, bidrar det til at flere småbarnsforeldre faktisk er nødt til å jobbe på kveldstid og får mindre regulert arbeidstid, vil det være direkte likestillingsfiendtlig. Til slutt: Jeg er helt enig i det som har vært sagt når det gjelder innvandrerkvinner. Skal man bidra til økt likestilling hos innvandrerkvinner, er det egentlig det samme virkemiddelet som har vært for kvinner generelt, Det dreier seg om økonomisk uavhengighet. Vi må sørge for at de får jobb, utdanning og at de blir økonomisk uavhengige. Det har vært likestillingstradisjon i Norge både når det gjelder norske kvinner og innvandrerkvinner. Jeg vil også slutte meg til den rosen til Venstre for at de har fremmet dette omfattende forslaget. Det er

Mange av de innleggene gjaldt historien, men det gikk også på at vi må se framover. Vi har kommet veldig langt i Norge, takket være mange sterke kvinner som har gått foran. Jeg er ikke helt enig med forslagsstilleren at vi har langt igjen for å få en reell likestilling mellom kvinner og menn, men at vi har en del utfordringer, kan Fremskrittspartiet være enig i.

Vi trenger også menn i disse yrkene, og vi kommer ikke så langt uten at det også er god lønn og status. Undertegnede hadde i dag et møte på vegne av komiteen med en delegasjon fra Thailand, som var interessert i vår likestillingspolitikk. Det var interessant med spørsmålene jeg fikk når det gjaldt at mennene virkelig fant seg i disse ordningene som vi hadde i Norge. snille. Da kunne vi i hvert fall si at norske menn var gode menn, som også ønsket både å være hjemme med sine barn og jobbe i barnehage. Så det var en liten sak her. Nye tall fra NHOs medlemsstatistikk viser at det stadig blir flere kvinnelige ledere i næringslivet. Og det er jo grunn til å tro at den positive utviklingen i andel kvinnelige ledere henger sammen med kvinners inntog på universiteter og høyskoler. Likevel kunne vi denne uken høre at en del av de kvinnene som søkte på ledende stillinger, ikke søkte seg til privat sektor, men til kommunal sektor. Det er jo bekymringsfullt. Vi må ha flere kvinner til å starte egne bedrifter, og derfor er det viktig å stimulere til at kvinner som ønsker å starte egne bedrifter, ikke rammes urimelig. Deltid har vært et tema i denne sal mange ganger. Det er et mål for alle partier å redusere ufrivillig deltid, men vi har bare litt forskjellige virkemidler. Ufrivillig deltid rammer ofte kvinner, og gjerne unge kvinner som ønsker hele stillinger, når de har tatt en utdannelse som de ønsker å få brukt. En annen sak som forslagsstillerne tar opp, er likestilt foreldreskap. Og på tampen av denne stortingsperioden er det jo kjekt å få lov til å snakke om foreldrepermisjon og på tampen av denne stortingsperioden er det jo kjekt å få lov til å snakke om foreldrepermisjon og fedrekvote en gang til. Dagbladet på nett hadde i går en artikkel om at unge foreldre ikke ønsket pappakvote. De ønsket selv å få fordele disse ukene. Det er Fremskrittspartiet helt enig i. Foreldrepermisjonen skal være til familien og til barna. Det skal være en ordning som skal være til gode for familie og barn, men under denne regjeringen har den også blitt brukt i en likestillingskamp. For å få til et mer likestilt foreldreskap når det gjelder foreldrepermisjon, er det viktig å gi fedre selvstendig uttaksrett. Vold i nære relasjoner er også et tema i dette forslaget. Det er også en likestillingskamp.

Det er viktig å styrke likestillingsarbeidet blant minoritetskvinner. De tar i dag ofte høy utdannelse, men de gifter seg kanskje med analfabeter fra sitt opprinnelige hjemland, og de kommer ikke ut i arbeid. Norge trenger disse jentene, og det er viktig at vi får dem ut i arbeid. Vi har også et ansvar for å bidra til å fremme likestilling i andre samfunn med

takke forslagsstillerne for å sette likestilling på dagsordenen, og jeg må si meg veldig fornøyd med den plass likestillingstemaet har fått i den senere tida. Det skulle for så vidt bare mangle når vi nå akkurat har markert at det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. I forrige uke hørte vi mange gode taler, innlegg og historieframlegg om kampen som er blitt kjempet for å komme dit vi er i dag. Vi har ei regjering som I 2010 oppnevnte daværende likestillingsminister Lysbakken et ekspertutvalg som skulle utrede norsk likestillingspolitikk for å legge grunnlaget for en helhetlig og kunnskapsbasert likestillingspolitikk for framtida. Likestillingspolitikken har aldri tidligere vært gjenstand for en tilsvarende bred gjennomgang. Og nå har vi til fulle dokumentasjon på at det på mange områder er et stykke igjen til vi kan si at vi har full likestilling i landet. Men vi liker jo å se på Norge som et likestilt land, og mange bruker Norge som et eksempel på at vi har kommet langt, slik også representanten Horne refererte til med delegasjonen fra Thailand før i dag. Et kroneksempel er Gros kvinneregjering og hvordan den ble kjent over hele kloden – altså regjeringa fra 1986. Og ja, det var spesielt med en så stor andel kvinner, men jeg må innrømme at det føles litt rart å kalle det ei kvinneregjering. Flertallet i regjeringa var jo menn. Likestillingsmålet har på en måte blitt at en skal nå 40 pst. kvinneandel. Men det er vel ikke reell likestilling før det er like sannsynlig at det er 40 pst. menn som at det er 40 pst. kvinner i politiske organ eller i andre valgte organ, styrer osv.? Mangelen på likestilling i politiske organ, næringsliv, foreldreskap, utdanning og arbeidsliv henger nøye sammen med holdninger og kultur og med hvilke forventninger som ligger til det å ha det ene eller det andre kjønn. Her hadde også representanten Gjul en rekke gode eksempler. Det er ingen enkel oppskrift på å få snudd dette. Men å finne målrettede og treffsikre tiltak som kan bidra til en gradvis endring i holdninger er det som er det nødvendige. Og det gjøres heldigvis mye. Fedrekvoter er et godt eksempel. Det er først etter at dette ble innført, at far virkelig har begynt å ta permisjon. permisjon. Jeg kan også referere til samme artikkel i Dagbladet i går som representanten Horne gjorde. Der er det en pappa som sier at: «det er riktig at vi har en slik kvote, fordi den legitimerer at fedre er en periode hjemme med barnet. De fleste pappaer hadde ikke vært hjemme én dag lenger enn den fastsatte kvoten.» Politisk vilje til en så generøs permisjonsordning som vi har, og til å sørge for at alle barn har rett til en barnehageplass til en lav pris, har bidratt til at det er langt lettere å kombinere arbeid og omsorg. At vi nå har startet opp arbeidet med å sikre større stillingsbrøker for dem som ønsker det, er også et viktig tiltak for å kunne sikre kvinner en økonomisk uavhengighet. I forrige uke vedtok vi nytt diskrimineringslovverk og kjønnsnøytral verneplikt. Komiteen er enig med forslagsstillerne i at bekjempelse av vold mot kvinner, likestilt foreldreskap og forhold i utdanning og arbeidsliv er viktige utfordringer for bedre kjønnslikestilling. Det målrettede og langsiktige arbeidet med utvidelser av permisjon, fedrekvote og full barnehagedekning vil bidra til mer likestilte foreldreskap. Systematisk og helhetlig arbeid er vesentlig for å lykkes innenfor mange av likestillingskampene. Når det gjelder kamp mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep, kan det f.eks. vises til gode erfaringer i hvor de nettopp har jobbet systematisk for å forebygge dette gjennom et program rettet mot skoleelever og ansatte i skolen. Det vesentlige er treffsikre tiltak med et plassert ansvar, og at tiltakene og arbeidet følges opp og evalueres. Regjeringa jobber nå med likestillingsmelding til Stortinget – som en oppfølging av Skjeie-utvalget – og jeg ser fram til at den kommer. Da får vi et godt grunnlag for å diskutere retning for likestillingsarbeidet framover. Jeg vil også rose Venstre for engasjementet innenfor likestillingsfeltet, men mener – i likhet med representanten Horne – at de har valgt feil samarbeidspartnere for å lykkes med målsetningene. Vi får ikke et mer likestilt samfunn hvis et flertall av politikere i denne sal mener at kvotering er en uting, at fedrekvoter er unødvendig, at det er helt greit å betale mor for å være hjemme i stedet for å delta i arbeidslivet, vil øke barnehageprisene og kutte i overgangsstønaden for Hvis man ønsker en helhetlig likestillingspolitikk som gjør at vi får en reell valgfrihet for begge kjønn – det være seg frihet til å velge å være sammen med egne barn, frihet til å delta fullt ut i arbeidslivet eller frihet fra seksuell trakassering, vold og voldtekt – da må man sørge for et fortsatt

Norge er blant verdens mest likestilte land. Det er det ikke tvil om. I vår oppvekst har vi fått oppleve kvinnelig statsminister, og stortingspresidentplassen er for lengst inntatt og erobret. Men vi ser fortsatt at det er en del ubalanse. Vi opplever stadig at med en gang jenter blir født, blir de surret inn i rosa tepper. Og

ikke liker den rosa tyllen, blir de kalt guttejenter. Og hvis noen gutter kanskje beveger seg mot den rosa tyllen, blir de kalt «femi». Vi må jobbe med hvordan vi kan klare å ha et rausere kjønnsbegrep også innenfor kjønn, og hvordan vi kan rive ned denne rosa tyllen og de blå barske lekene og få lov til å bruke det på tvers av kjønn.

Vi vet at det er blant kvinnene mesteparten av den ufrivillige deltiden i vårt arbeidsliv finnes, og vi vet at kvinner i snitt tjener 15 pst. mindre enn menn per time. Vi vet at fire av fem ordførere er menn, og at menn dominerer på toppen av de fleste sektorer i samfunnet. Vi står overfor store likestillingskamper også i framtiden: Kampen mot vold, voldtekt og overgrep som rammer kvinner. Vold mot kvinner foregår i et rystende omfang hver dag rundt om i vårt land. Kampen for full likestilling må fortsette. Kristelig Folkeparti slutter seg til Venstres påpekning av at tiden nå er overmoden for å omskape kunnskap til konkrete tiltak som fremmer reell likestilling. Kristelig Folkeparti er derfor i dag med på – med varierende støtte, både på ungdomsskole og i videregående skole, bl.a. med sikte på at flere skal velge kjønnsutradisjonelle utdanninger og karrierer. Vi ber også regjeringen utarbeide konkrete tiltak for å stimulere til at flere tar utradisjonelle yrkesvalg for å redusere kjønnssegregeringen i arbeidslivet. Et svært kjønnsdelt arbeidsmarked er en viktig årsak til at kvinner samlet sett og i snitt tjener mindre enn menn, samtidig som kvinner ofte tar et stort ansvar for arbeidet som blir gjort i hjemmet. Menn er blitt flinkere til å delta i det som handler om barn og barnepass, men de har en god del igjen når det gjelder husarbeid. Kristelig Folkeparti mener tradisjonelt kvinnedominerte yrker trenger et lønnsløft. Vi har tidligere fremmet forslag i Stortinget om en likelønnspott, og vi mener at partene i arbeidslivet bør sette en tidsplan for å rette opp lønnsdiskrimineringen. Vi ønsker og har forslag om rett til å kreve fast stilling tilsvarende reell arbeidstid. Vi er også med på forslaget om at familievoldskoordinator i politidistriktene ikke bør brukes til andre oppgaver enn arbeid mot vold i nære relasjoner. Vi er med på å foreslå å styrke den forebyggende innsatsen for å redusere omfanget av vold og seksualisert vold ved å styrke skolehelsetjenesten og helsesøstertjenesten. Vi ber om styrket forskningsinnsats rundt omfanget og konsekvensen av seksualisert vold, og vi støtter også forslaget om etablering av en egen nasjonal offeromsorg. Det er fortsatt en god del som gjenstår før kvinner og menn har like rettigheter og et likeverdig ansvar både i samfunnet og for barn. Vi har fremmet mange forslag i løpet av perioden som omhandler dette. Vi er i dag glad for å kunne være med på enda flere forslag som bidrar til det. Jeg vil vise til forslag nr. 27 i innstillingen. Det forslaget støtter vi, og vi vil votere for det i dag – vi vet ikke helt hvorfor vi har

Jeg fikk ikke helt med meg hvor langt det hadde kommet i Thailand. De var nok også veldig imponert over antallet kvinnelige stortingsrepresentanter. Jeg kunne skryte av at i Senterpartiet er åtte av elleve representanter kvinner. Vi var to fra familie- og kulturkomiteen som ble spurt om hvor mange statsråder som er kvinner – da ble vi faktisk litt usikre og svarte:

landet. I år kan vi feire at det er 100 år siden kvinnene i dette landet fikk stemmerett. Det er hyggelig å markere. Derfor har vi også denne likestillingsdebatten i kveld. Men vi er allikevel ikke kommet langt nok. Når vi snakker med den thailandske delegasjonen om hvor vanskelig det er å få nok menn i typiske kvinneyrker, som ansatte i barnehager og som lærere i småskolen, skjønner også de at vi har en vei å gå når det gjelder likestilling – selv om jeg ikke er helt sikker på om helt fattet hvor relevant det var, og at det var et problem. Det vi diskuterer her, er dokument 8-forslaget fra Venstre – med en lang rekke tiltak. Det er mange viktig tiltak, mange av tiltakene har vi fokus på, og mange av tiltakene må vi ha økt fokus på i årene framover. Det er slett ikke alle forslagene jeg har anledning til å komme inn på her i denne debatten, men jeg vil kommentere enkelte problemstillinger.

Selvstendig næringsdrivende får sykepenger først fra 17. sykedag og har heller ikke rett til omsorgspenger ved barns sykdom. Senterpartiet ønsker derfor å innføre rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende, som for lønnsmottakere, ved fravær på grunn av syke unger. Vi mener det er et viktig virkemiddel for at flere kvinner skal tørre å være gründere og å drive sin egen virksomhet. Jeg skulle hatt tid til å snakke om vold i nære relasjoner, men det rekker jeg ikke – denne debatten kom så fort – men det er et viktig område. Så vil jeg si litt om det jeg synes er et av de mest virkningsfulle virkemidlene for likestilling. Det er etter mitt skjønn pappapermen. Senterpartiet hadde i forrige fireårsperiode programfestet en tredeling av pappapermen. Stortinget har nå vedtatt – med den rød-grønne regjeringen i spissen for det, selvsagt – en tydeligere tredeling av foreldrepengeperioden, som trer i kraft 1. juli. Det er vi veldig fornøyd med. Det er ikke mange år siden det var helt utenkelig å være hjemme med flere unger for en nybakt far – hva i all verden hadde man mødre for da? da? Det har heldigvis forandret seg. Jeg tør våge påstanden at det var nok de færreste arbeidsgivere som syntes det var naturlig at menn skulle komme og si: Sorry, jeg blir hjemme i tre måneder. Det har det rett og slett ikke vært kultur for, men det er heldigvis i ferd med å endre seg. Så er det slik at Høyre ønsker ikke at vi skal ha en egen pappaperm – her må familien bestemme selv. Jeg har sagt det før, og jeg sier det nå: Det er overraskende, men Kristelig Folkeparti er faktisk mer moderne enn Høyre i dette spørsmålet. Jeg synes det er riktig at fedre også skal få rett til å være hjemme med ungene sine. Det er en del av

men vi ser fortsatt at det er mye igjen. Jeg mener det er mye igjen på likestilling på veldig mange områder, spesielt innenfor arbeidsmarkedet vårt – innenfor arbeidslivet generelt ser vi en stor kjønnsdeling. Mange unge kvinner opplever glasstaket når de kommer inn i arbeidslivet. Vi har et akademia som fortsatt har statusstillingene fordelt til menn. Sjøl om vi har kommet langt, er det veldig mye igjen før folk føler at de faktisk har reelle valg, uavhengig av hvilket kjønn de har. Vi er veldig glad for at det er så mange forslag. Vi støtter nesten alle forslagene som har kommet i komiteen, og vil legge fram noen flere her i dag, fordi de går litt lenger enn dem som er lagt fram i komiteen. Vi vil stemme for disse primært, men vi vil stemme for de andre forslagene sekundært. Jeg vet det hørtes litt vanskelig ut, men jeg tror det går helt fint.

og i andre sammenhenger, er at man forutsetter at kvinner vil ha mer sykdom knyttet til svangerskap enn menn, og at mange arbeidsgivere tror at det blir en større økonomisk belastning for dem å ansette en kvinne enn en mann, Derfor har vi i vårt reviderte budsjett og i dette forslaget lagt inn at arbeidsgiveransvaret for sykepenger i arbeidsgiverperioden for kvinner som får sykdommer relatert til svangerskap, bør tas bort. Dermed tar vi bort den siste delen av det som av en leder kan bli oppfattet som en rasjonell grunn til ikke å ansette kvinner, fordi man er redd for de sykdomsutgiftene et svangerskap kan føre med seg. Det tror jeg er en viktig kamp framover. Det er ikke sånn at et mer fleksibelt arbeidsliv kommer til å være utstøtende for kvinner. Venstre er i hvert fall ikke for mer overtid, vi er heller ikke for mer nattarbeid, men vi er for mer fleksibilitet i de arbeidstidene og det nattarbeidet vi allerede i dag godtar. Jeg tror at grunnen til at veldig mange kvinner havner i deltidsfella, nettopp er at de ikke klarer å få de strenge og rigide reglene vi har i dag for arbeidstid, til å gå opp med hensyn til det livet de lever. Større fleksibilitet tror jeg hadde ført til mindre deltid, og det hadde ført til mer likestilling i samfunnet. Sist vi var i regjering, innførte Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen kvotering i Sist vi var i regjering, innførte Odd Einar Dørum den første handlingsplanen mot vold og de første koordinatorene i politiet som skulle se spesielt på vold i nære relasjoner. Det er en jobb som det fortsatt gjenstår å komme i mål med, men vi har fått til veldig mye innenfor dette feltet de siste 130 årene. Vi men vi har fått til veldig mye innenfor dette feltet de siste 130 årene. Vi kommer til å stå på for det også videre. Det er helt klart at hvis man er opptatt av å beholde pappapermisjonen, er det viktig å ha et sterkt Venstre og Kristelig Folkeparti i en ny regjering. Men sammen med Høyre har vi fått til mange grep som ingen sosialistisk regjering, samme hvor mange damer de har hatt, har klart å komme fram med. Vi skal sørge for å være i front på det også videre, både når det gjelder å gjøre arbeidslivet mer likestilt, å gjøre akademia mer likestilt, og å sørge for i yrkeslivet. Vi får jo ikke flertall for noe her i dag, for regjeringa stemmer imot alt. Men det de i hvert fall har, er en utrolig god idéliste til ting de kan ta opp, så mye de vil, sjøl om vi kanskje kommer til å påpeke hvor det kom fra. Jeg tror at de har en veldig god meny med 35 forslag, så hvis det ikke kommer noen tiltak i meldingen, blir jeg ordentlig, ordentlig skuffa. Med det tar jeg opp de forslagene vi har som er omdelt i salen. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp de forslagene hun refererte til.

Man er ofte nødt til å fremme upopulære forslag, ta grep som møter motstand der og da, men som de fleste etter en stund er enige om at har vært fornuftige. Det er til og med sånn, og kanskje særlig når vi møter utenlandske delegasjoner, noe som flere har påpekt her i dag, at vi liker å sole oss i glansen av det som har vært oppnådd – også hvis man har vært mot de grepene som har vært gjort, som har ført oss dit vi er i dag. Men vi kan i hvert fall konstatere at oppslutninga om likestilling i befolkninga er økende. Det gleder meg, og la meg si litt om hvorfor det gleder meg. Likestilling er egentlig en alvorlig sak. Det handler grunnleggende sett om menneskerettigheter, det handler om rettferdighet, det handler om demokrati, det handler om trygghet, det handler om frihet, det handler om valgfrihet, det handler om respekt og sjølrespekt. Det handler om helt grunnleggende ting i livene til folk, f.eks. det å få definere sin egen identitet – hvem elsker jeg, hvem er jeg, hva slags klær ønsker jeg å gå med, hvordan ønsker jeg å uttrykke meg,

mye snevrere spekter av valgmuligheter enn det mange av dem egentlig ønsker seg. Noen steder blir de til og med utsatt for hets og trakassering, og noen blir utsatt for vold bare fordi de oppfører seg annerledes enn det som er akseptert i miljøene. Vi vet også at likestilling, oppslutning om likestilling, og hvor likestilt vi er, varierer avhengig av hvor vi er i landet. Det avhenger også av alder, og det avhenger av kultur. kultur. Vi har mange forskjellige kulturer i dette landet, og det er mange variasjoner innenfor begrepet norsk kultur. Men vi vet som sagt at hvis vi ønsker mer rettferdighet, mer demokrati, mer valgfrihet, mer trygghet, og at flere skal få muligheten til å definere sine liv, må vi jobbe for å komme videre. Vi må ikke slakke på kravene – vi må tvert imot være villig til å stå i de tøffe debattene og si: Ok, jeg forstår at jeg forstår at du mener dette her og nå kan begrense din mulighet til f.eks. å velge når det gjelder fedrekvoten, men samtidig er vi så enige – de aller fleste, i hvert fall – om at det er vidunderlig at vi har klart å forandre mannsrollen i dette landet så mye at det er helt naturlig for menn å delta ved fødsler, helt naturlig for menn å skifte bleier, helt naturlig for menn å trille barnevogn, helt naturlig for menn å være hjemme med sykt barn, og helt naturlig for menn å bli sett på som viktige omsorgspersoner for sine barn, og at det har smittet over på kvinners mulighet til å være arbeidstakere på linje med menn, til å prioritere sin karriere, og til å få sin egen inntekt. Noen ganger hører jeg litt sleivete bemerkninger, særlig fra Fremskrittsparti- og Høyre-folk, om at dette gjør man bare for likestilling. Men det er altså ikke «bare». For det første handler en del av de grepene vi tar knyttet til kvotering, om å bryte ned barrierer som begrenser folk i sine valg – altså om å gi folk reell valgfrihet. Men det handler også om å sikre at barn får to foreldre som er like viktig og like trygge for dem, som begge to har inntekt som bidrar til familiens økonomi, som står på egne bein, som i mindre grad blir diskriminert i arbeidslivet – helt praktiske, nære ting. Fedrekvoten er så viktig at vi bare må kjempe knallhardt for at den blir bevart. Jeg ønsker sjølsagt Kristelig Folkeparti og Venstre lykke til hvis det er sånn at man skal inngå et samarbeid etter valget, noe vi skal prøve å forhindre. Dette er en veldig viktig sak. Spørsmålet om kvotering er umåtelig viktig også når det dreier seg om styrerom, og når det dreier seg Dette er en veldig viktig sak. Spørsmålet om kvotering er umåtelig viktig også når det dreier seg om styrerom, og når det dreier seg om arbeidslivet for øvrig. Det er et virkemiddel som vi vet fungerer. Hvis vi vil sole oss i glansen av likestillinga, må vi også tørre å ta de grepene som funker. Det blir

Statsråden har veldig lett for å snakke om at det er SV og denne regjeringen som har monopol på likestilling, og at det ikke er noen andre partier som har likestillingspolitikk. Men jeg har lyst til å komme med et konkret eksempel. Det gjelder minoritetsjenter som i dag tar høyere utdanning, og som vi trenger ute i arbeidslivet, men som veldig ofte er nødt til å gifte seg med personer fra sitt opprinnelige hjemland, og derfor ikke kommer seg ut i arbeid, men er nødt til å være hjemme ved kjøkkenbenken. kjøkkenbenken. Jeg skulle ønske at statsråden hadde vært like opptatt av disse jentenes situasjon. Det forundrer meg at SV ikke har gjort mer for akkurat minoritetskvinner. Mitt spørsmål blir: Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe disse jentene? Vi jobber veldig mye, og SV har vært veldig opptatt av dette gjennom mange år. Jeg har personlig siden midt på 1990-tallet engasjert meg i spørsmålene om hvordan vi skal sikre at likestilling omfatter minoritetskvinner på akkurat samme måte som det har omfattet etnisk norske kvinner i politikken. Det dreier seg grunnleggende sett om å sikre økonomisk uavhengighet, akkurat som representanten Gjul var inne på. Det dreier seg om muligheten til å lære seg norsk, det dreier seg om at vi må ha oppsøkende virksomhet – et grep som Fremskrittspartiet for øvrig er imot – overfor kvinner som har vært hjemme mye på kontantstøtte. Fremskrittspartiet er for kontantstøtten, som

kombinert med tiltak for at innvandrerkvinner skal kunne klare seg i arbeidslivet. Det er også viktige
Det har falt i min lodd ganske mange ganger gjennom livet å skulle rekruttere folk til å stå på en politisk liste, til en organisasjon eller i og for seg også til næringslivet. Da er det dessverre slik fortsatt at det ikke alltid er like lett å få kvinner til å stille. Det ligger en eller annen mekanisme der som er litt vanskelig å se hva er. Jeg tror at mye av det vi snakker om – det å ha kvinnelige rolleforbilder – er kjempeviktig. Slik sett tror jeg at det – er kjempeviktig. Slik sett tror jeg at det grepet man gjorde med næringslivet i forbindelse med styrene, var veldig viktig. Vi har også senere faktisk fått en del stemmer på kommentarplass, som jeg vil si er nye, viktige kvinnestemmer med hensyn til økonomi og næringsliv. Mine spørsmål til statsråden er: Hva tenker hun kan være bakgrunnen for denne problemstillingen? Og tenker hun kan være bakgrunnen for denne problemstillingen? Og har hun noen tanker om hva man fra regjeringens side, f.eks. i statsapparatet, kan gjøre for nettopp å få løftet frem den type rolleforbilder som jeg nå har nevnt? Et veldig viktig tiltak som Høyre sjøl innførte, men som Høyre nå dessverre ønsker å avskaffe igjen, hvis de får muligheten, er kvotering til styrerommene i ASA-ene. Det gir kvinner i høyere utdanning innenfor relevante yrker rollemodeller. Det gir dem trygghet for at de vil bli vurdert på linje med menn, og at deres kompetanse ikke vil bli oversett. Det er ett eksempel. Så kan man reflektere over om det er slik at kvinner velger annerledes og har andre prioriteringer enn menn, osv. Til en viss grad tror jeg det kan stemme. Men vi ser også at når vi jobber med tilrettelegging, jobber med å fjerne årsakene til at kvinner prioriterer såkalt annerledes, er det mange flere kvinner som vil. Men hvis man bare fortsetter som i dag og antar at det er kvinnene som «eier» problemet, kommer man ingen vei. Et eksempel er kvotering på valglistene. Der Høyre og Fremskrittspartiet ikke har gjort dette, klarer de heller ikke å rekruttere kvinner på de øverste plassene – i hvert fall ikke i Vestfold, mitt hjemfylke, hvor Høyre har to menn på topp og Fremskrittspartiet har tre. Alle de andre klarer det. Man kan reflektere over

Så jeg tror at vi skal klare det rimelig bra. Men det jeg har lyst til å spørre om, handler om den frihetskampen som likestillingskampen egentlig er, om kvinners rett til å velge. Vi har lagt fram ett forslag her i dag som jeg syns er veldig godt, nemlig det som handler om den arbeidsgiverbetalte tida ved sykefravær når man har Hvis vi tar bort den, fjerner vi den siste skansen som gjør at en arbeidsgiver kan si at det er mer risikabelt å ansette en ung kvinne enn å ansette en ung mann. Så mitt spørsmål er: Hvorfor er det så vanskelig for SV å kikke på det forslaget? Nå er det slik at det var vår regjering som

arbeidsgiverbetalte tida i sykelønna, men det er veldig viktig å øke de sosiale rettighetene, for det handler om kvinners rett til også å være gründere, på lik linje med menn, uten å ha den risikoen. Vi ser at det er en veldig stor overvekt av menn blant dem som velger å starte sin egen bedrift, å starte for seg sjøl. Det er også en viktig frihetskamp videre å få økt de sosiale rettighetene. Nå er det slik at regjeringa har noen stengsler fordi dette er private, og selvstendig næringsdrivende, og da er man ikke så opptatt av sosiale rettigheter som hvis man er offentlig ansatt. Det siste var en påstand, men som sagt var det vi som sikret disse rettighetene som er blitt innført for selvstendig næringsdrivende. Det gjorde ikke Venstre da de satt i regjering. Så det er ikke tilfellet at vi ikke er opptatt av det spørsmålet. Men det fins ulike virkemidler å gjøre det på. Det fins også gode, prinsipielle begrunnelser for ikke å gå lenger – rett og slett fordi det ikke vil være rimelig, fordi man betaler inn mer til folketrygden på lønnsinntekt enn man gjør hvis man er selvstendig næringsdrivende. Men man kan også øke sin egen forsikringspremie, f.eks., for å få mer igjen. Så det er en mulighet å løse det som selvstendig næringsdrivende. Men vi kan være villig til å se på ulike ordninger for å se om det er forhold som det bør gjøres noe med, for å sikre at flere kvinner velger å gå den veien. Jeg kan informere statsråden om at Rogaland Fremskrittsparti har to kvinner på topp – uten at de er kvotert. informere statsråden om at Rogaland Fremskrittsparti har to kvinner på topp – uten at de er kvotert. Statsråden var i sin første svarreplikk til undertegnede inne på at det er viktig å få de unge kvinnene med minoritetsbakgrunn ut i arbeid. Det er veldig gledelig at statsråden mener dette. Men det som er realiteten i dag, er at veldig mange av disse kvinnene – når de er ferdig med høyere utdanning – ikke kommer seg ut i arbeid fordi de gifter seg. Et av de tiltakene det i arbeid fordi de gifter seg. Et av de tiltakene det går an å sette inn, er å heve aldersgrensen for familiegjenforening. Spørsmålet mitt til statsråden blir: Er statsråden villig til å bruke det virkemidlet det er å heve aldersgrensen for familiegjenforening? La meg først gratulere med to kvinner på topp fra Rogaland. Det syns jeg er utmerket, og det trengs for å utjevne mannsdominansen andre steder. Så det er veldig bra. Når det gjelder spørsmålet, som er veldig viktig, om hvordan vi kan forhindre tvangsekteskap, er hovedgrepet som vi gjør – i tillegg til å oppmuntre minoritetskvinner til å ta høyere utdanning, noe de gjør i stort monn, også på områder som tradisjonelt er mannsdominert, og hvor etnisk norske kvinner ofte ikke søker seg – å drive mer forebyggende arbeid. Problemene starter ikke med tvangsekteskapet; det starter med innskrenkning av friheten til arbeid. Problemene starter ikke med tvangsekteskapet; det starter med innskrenkning av friheten til disse jentene. Det starter gjerne i puberteten. Derfor satser vi på en ordning med minoritetsrådgivere, som vi også i større grad plasserer ut på ungdomstrinnet, slik at de kan nå foreldrene, nå ungdommene og nå skolene. Vi driver også med kompetanseheving av rådgivere, slik at vi kan få tak i disse unge jentene og guttene – for det er også gutter som blir tvangsgiftet – før det har gått for langt. Replikkordskiftet er omme. De De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. La meg også få starte med å takke Venstre for et godt initiativ. Så ble det også fristende å kommentere representanten Dagrun Eriksens beskrivelse av hvordan vi sluser barn inn enten i en rosa eller blå verden. Da har jeg bare lyst til å minne om at i likestillingsdebatten snakker vi ikke om at vi nødvendigvis skal være så like, men det er likeverdet som må være i sentrum – bare så det er sagt. Typiske kvinnedominerte yrker, som i barnehage og pleie- og omsorgssektoren, kjennetegnes av en stor andel ufaglærte. Her er etter- og videreutdanning særlig viktig. Det bidrar til å styrke kvinners stilling på arbeidsmarkedet, både for lønnsutvikling og deltakelse i fagmiljøene. Høyre vil ha et Høyre vil ha et kompetanseløft i de kvinnedominerte yrkene i barnehage og pleie- og omsorgssektoren. Derfor har vi prioritert dette i de siste årenes statsbudsjett. Kvinnelig entreprenørskap beriker næringslivet vårt, men velferdsordningene må innrettes slik at ikke kvinner som vil starte egen virksomhet, rammes urimelig. Mer enn en av tre sysselsatte norske kvinner jobber i helse- og omsorgssektoren. De har en kvinneandel på 83 pst. der. En undersøkelse i fjor viste at 33 000 kvinner ønsker å starte egen bedrift innen helse- og omsorgssektoren. Disse kvinnene er gode private omsorgskrefter. Høyre vil ha et eget etablererprogram for å gjøre det enklere for dem å slippe til, sammen med sterkere næringsfokus på forskningen innen helse og omsorg, for å fremme kvinnelig innovasjon og skape bedre helse- og omsorgstjenester. 73 pst. av dem som jobber ufrivillig deltid, er kvinner. Dette er en form for arbeidsledighet. Cirka 17 pst. av de deltidsansatte ønsker lengre ukentlig arbeidstid. Andelen er høyest innenfor helse- og omsorgsyrker, og særlig blant dem som jobber skift og turnusarbeid. Mer fleksible turnusordninger vil gjøre det lettere for kvinner å kunne kombinere fulltidsarbeid med omsorg for barn. Men det vil også hjelpe aleneforsørgere og skilte foreldre av begge kjønn og få arbeidsliv og Høyre vil ha mer fleksible turnusordninger og støtter at arbeidstakere bør ha rett til heltidsstilling. Men regjeringens forslag om rett til heltid, er i realiteten en rett til ubekvem arbeidstid. Forslaget gir rett til samme arbeidstid som når man tar ekstravakter, og kan gi en binding til faste stillinger med ubekvem arbeidstid over flere år. Høyre vil ha en klarere rett til den samme arbeidstiden som flertallet til den samme arbeidstiden som flertallet for den faste stillingen, kombinert med noe lengre tid før kravet om fast stilling kan fremmes. Høyre er opptatt av at samfunnet gir muligheter for alle til å treffe egne frie valg, uavhengig av kjønn, men også uavhengig av alder, funksjonsevne, livssyn, legning og opprinnelse. Det er det likestilling handler om. Jeg skal også begynne med en takk til Venstre, som setter et så setter et så viktig politisk tema på dagsordenen. Jeg synes også de innleggene som så langt har vært framført, har vært veldig gode og veldig interessante. Men det er også en litt typisk debatt når likestilling er temaet. Her sitter vi menn som «tause Birgitte», helt passivt, og overlater debatten og arenaen for et så viktig tema til kvinnene i parlamentet. Sånn bør og skal det ikke være. Vi menn må på banen, ta ansvar, stå fram som gode og selvfølgelige medspillere for at likestillingspolitikk skal bli minst like viktig som næringspolitikk. Jeg ser fram til den dagen da likestilling og familiepolitikken er tema hos «gutteklubben Grei» når viktige næringspolitiske tema preger dagsordenen, fordi at både familiepolitikk og likestillingspolitikk er god næringspolitikk. Så må jeg framsette en bønn fra en pappa som i 1979 fikk kun fire timer Til mine kolleger på den mørkeblå siden av norsk politikk: Ikke riv ned det som møysommelig er bygd opp over mange lange og gode debatter – og ikke minst gode initiativ. La pappaen få lov til å bli en helt naturlig omsorgsperson i barns tidlige oppvekst. Jeg vet også at jeg har NHO med meg på laget. Så la våre bønner bli hørt. Amen. Begrepet «amen» i den sammenheng bør for øvrig ikke brukes fra Stortingets talerstol. Det kan oppfattes blasfemisk av noen.

tar opp det. Grunnen til at jeg følte behov for å ta ordet nå, var representanten Melings innlegg om Høyres utlegging om det vi nå har innført, nemlig rett til heltid for dem som har jobbet utover stillingsbrøken sin

slik at de får bedre utnyttelse enn når de bruker et menneske litt her og litt der. I dag har jeg lest i Fri Fagbevegelse – det er selvfølgelig flere steder som får dette til hvis de vil – om en forretning med mange ansatte, veldig mange kvinner og veldig

kvinner. Så spør vi: Hva har dere gjort med dette? Nei, det hadde de ikke tenkt på. Men nå gir vi disse kvinnene i hvert fall et redskap til å kunne si: Jeg vil ha denne hele stillingen, jeg har rett til den. Da tror jeg også at disse arbeidsgiverne får et godt initiativ for å kunne organisere arbeidstiden litt bedre. Så når Høyre nå tilbyr disse kvinnene aldri å aldri å vite når de skal på jobb, aldri å vite hvor mye jobb de får, ikke vite hvor de skal jobbe, ikke i det hele tatt vite hva de kan tjene, men må løpe etter alle ekstravakter fortsatt i lengre tid, synes jeg det er en dårlig deal. Det er ikke noe godt forslag fra Høyre å utsette dette eller å fjerne denne rettigheten. Det er jo heller ingen plikt til å søke om dette. Det er de som ønsker det, som gjør det – og det er valgfrihet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

Eg trur òg at dei aller fleste foreldre har eit stort fokus på og er opptekne av at ungane skal ha det bra, både mens samlivsbrotet pågår og etterpå. For dei som av ulike grunnar hamnar i konflikt, og høgkonflikt, er det viktig å ha gode ordningar og tilbod. Eg vil derfor vise til samla viser til statsrådens svarbrev om at det er eit prioritert område for familieverntenesta å utnytte betre meklingsordningane og tilbodet til foreldre og barn i høgkonfliktsaker som alternativ og supplement til domstolsbehandling. Barns rett til å bli høyrde er òg veldig vesentleg i denne saka at ungar skal få seie meininga si. For kort tid sidan behandla me barnevernsmeldinga her i salen, der det å sikre barns rett til å bli høyrde og kunne medverke gjennom heile prosessen – ja i alle delar av ein prosess der barnet inngår, stod svært sentralt. I tilknyting til Prop. 85 L, om endringar i barnelova, som òg er behandla, vedtok me tiltak som skal styrkje barns moglegheiter til deltaking i Eg vil elles vise til statsrådens svarbrev til komiteen, der dette blir ytterlegare omtalt. Det er svært viktig å hindre at ungar blir utsette for konflikten som kan førekome mellom foreldre. Eg er glad for, og meiner det er veldig viktig, at regjeringa er godt i gang med utviklinga av eit tilpassa og tilgjengeleg tilbod til foreldre i konflikt. Fleirtalet i komiteen, alle har tillit til at regjeringa vidareutviklar og styrkjer dette arbeidet vidare. På bakgrunn av dette og det breie svaret frå statsråden til komiteen meiner fleirtalet i komiteen, unntatt Kristeleg Folkeparti, at det ikkje er nødvendig å utarbeide ein handlingsplan, slik forslagsstillarane føreslår. Det er

Så til den saken som ligger på bordet her nå. De aller fleste klarer ved et samlivsbrudd å fordele samvær uten at det blir en konflikt. Men det er bekymringsfullt at det er flere og flere som har konflikter, og konflikter som havner i domstolene – det har jo vist seg i senere tid at saker som har havnet i domstolene, de foreldrene som opplever et samlivsbrudd, får god hjelp til å kunne samarbeide, og også samarbeide til det beste for barnet. For vi vet at barnet kommer i en skvis mellom to foreldre som de i grunnen er like glad i,

gi honnør til regjeringen for å ha satt i gang mange gode tiltak, som vi venter på å få se resultatet av. Likevel vil jeg vise til den saken som vi behandlet for en liten stund siden her nå knyttet til likestilling. Det er viktig med likestilling når vi snakker om lykkelige samlivsforhold, idet far er viktig i barns liv. liv. Vi ser også at i veldig mange av disse konfliktsakene er det far som ønsker mer samvær, og dagens regelverk for samværsordningene er nok lagt opp mer på mors premisser enn på fars premisser. Det ønsker Fremskrittspartiet å belyse. Vi skulle ønske at en hadde hatt samme ordningen i Norge som i Sverige, en automatisk delt omsorg der det er mulig. Jeg tror at det hadde dempet konfliktene om en hadde hatt en sånn ordning,

meget betydelig antall mennesker som skiller lag – det er 10 000 skilsmisser årlig. Familievernkontorene har vel ca. 20 000 meglinger. Det er veldig mange mennesker vi snakker om, og i det bildet har jeg lyst til å si at det er faktisk ganske mange familier som også greier å finne ut av det. Men dermed er det ikke mindre viktig at vi har et system som treffer dem som trenger det, og som virker forebyggende.

dager. Så har vi ved denne korsvei sluttet oss til det som er flertallet i komiteen, som på mange måter bygger på de initiativene regjeringen er i gang med. Jeg slutter meg til tidligere taler, som peker på at vi venter med spenning på hvordan det nå vil utvikle seg videre. Høyre har tidligere foreslått å styrke familievernet, og det vil vi fortsette med. Jeg vil nok i den anledning også minne om at det er ikke nødvendigvis helt samsvar mellom de positive signalene regjeringen gir, og de faktiske utslag vi ser i forbindelse med budsjettet. Vi kunne nok ha tenkt oss en litt mer offensiv holdning fra regjeringens side opp mot budsjettsiden av dette også. Vi er opptatt av at det legges til rette for helhetlige tilbud, med gode prosesser for familier som skal møte det offentlige hjelpeapparatet etter et samlivsbrudd. Det å styrke familievernet i årene som kommer, vil bli en viktig oppgave, og bør være en viktig oppgave, nettopp fordi familien er en viktig del av vårt samfunn. Det er i familiene vi vokser opp, det er i familiene vi lever, og da tenker jeg på alle typer familier, alle sammensetninger av familier. Jeg tenker også på single, som også ofte har familier, selv om de ikke deler hverdagen med dem. Det er en grunnstruktur i vårt samfunn. Dermed er det også viktig å løfte det frem knyttet til dette politikkområdet. Så vi ser altså frem til de initiativene regjeringen har signalisert. Vi er positivt avventende til hva som kommer, og så håper vi at vi går inn i en ny stortingsperiode hvor familien også blir satt i høysetet. Dette er

Barn med foreldre som lever sammen, og som har et høyt konfliktnivå, lider under det, og barn med skilte foreldre som har et høyt konfliktnivå, står i samme vanskelige situasjon. Kristelig Folkeparti mener det er behov for en handlingsplan for å redusere konflikter og bedre foreldresamarbeid etter brudd. Vi registrerer at de øvrige partiene mener det ikke er behov for en sånn handlingsplan. Over 20 000 barn opplever hvert eneste år at foreldrene blir skilt eller separert. Drøyt 20 800 meklinger ble avsluttet i 2011, og som flere har sagt, mange av disse klarer man å finne gode løsninger på sammen. 2 632 barnetvistsaker ble avgjort i retten. retten. Omtrent ett av ti norske barn mellom 6 og 15 år bor ifølge Folkehelseinstituttet i husholdninger der foreldrene er i konflikt med hverandre. For et par uker siden presenterte NRK tall som viste at nesten 3 000 par nå slåss årlig i retten om hvor barna skal bo, og om omfanget av samvær etter brudd. I løpet av de siste 15 årene har det vært mer enn en dobling i antallet såkalte barnefordelingssaker, og disse utgjør nå nesten en femtedel av alle tvistesakene i norske tingretter. Dette er ganske alvorlige tall, for dette er historien om tusenvis av barn i krise som lider under foreldrenes konflikt. Hvis ikke vi ser at disse barna og familiene trenger hjelp i denne situasjonen, hvis ikke vi ser at vi må forebygge at foreldre og familier kommer i slike konfliktsituasjoner, hva sier

å skjerpe kravet til obligatorisk mekling før man slipper til i domstolene. Det har vært hevdet at «en stor del» av barnelovsakene har sin årsak i vold, seksuelle overgrep og psykiatri. Noen mener det er best at foreldrekonfliktsaker kommer til retten av slike grunner. Domstoladministrasjonen mener imidlertid at dette bildet ikke helt stemmer. Familievernkontoret i Trondheim mener at slike forhold kun gjelder i ca. 10 pst. av sakene. Poenget er at det er et potensial for å redusere antallet saker som kommer til tingretten. I Adresseavisen uttaler direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, følgende: «Domstolene bruker 70 millioner kroner i Det ville vært en bedre ressursbruk å styrke familievernkontorene». Det er litt av hovedpoenget til Kristelig Folkeparti. Vi mener i likhet med dommere at flere saker bør sendes tilbake til familievernkontorene, som kan ta disse sakene raskt og sette inn erfarne og særlig egnede meklere. Dette krever god kontakt og samhandling mellom og familievernkontorene og ikke minst, som representanten fra Høyre understreket, mer ressurser til familievernkontorene. Det er Domstoladministrasjonens syn, og det er Kristelig Folkepartis syn. Også Barneombudet anbefaler i sin rapport, Barnas stemme stilner i stormen, at det innføres flere timer obligatorisk mekling. Det samme gjør SINTEF i sin omfattende rapport om

og ikke bare se behovet og hindre at kriser oppstår, men også å sette inn tiltak før katastrofen er et faktum. Regjeringens politikk for familievernet – eller kanskje mangel på sådan – kan ligne på at man øser båten i stedet for å tette hullet. Vi ønsker barnets beste. Det heter familiepolitikk, og det heter forebygging.

fordi jeg har en stemor som har 25 år bak seg i familievernet. Vi diskuterer familievernet hyppig. Jeg diskuterer det også veldig mye med folk som kommer for å snakke om barnepolitiske spørsmål, familiepolitiske spørsmål og likestillingspolitiske spørsmål på mitt kontor. Det er et sterkt engasjement for at vi skal få gjort noe for at færre barn skal lide under foreldres konflikter, og at vi skal få barnas stemme mer fram. For det er helt riktig som det er blitt påpekt, barnas stemme har stilnet i denne stormen – ikke bare i stormen heller, den har stilnet generelt i forbindelse med skilsmisser. Det er riktig som representanten Thommessen påpekte her, at det er en del av disse sakene som går bra, veldig mange faktisk. Men også der har man en tendens til å glemme barna

at det er godt gjort å hevde at den rød-grønne regjeringa ikke har noen familiepolitikk – godt gjort, all den tid vi har økt foreldrepermisjonen med seks uker, ni uker ekstra har fedre fått med permisjon, vi har hatt en barnehageutbygging som ikke ligner noen ting som har skjedd før vår tid, en rettighetsfesting til barnehageplass familiepolitikk så det holder, det også – styrking av barnevernet, styrking av kampen mot familievold, sikret at flere kvinner kan gå ut i arbeid og bli selvforsørgende og bidra til familiens økonomi, sånn at flere får god økonomi, og de har bedre økonomi enn noen gang før, osv., osv. Jeg kunne bare fortsatt. Likestilling diskuterte vi i forrige debatt her. Det har også veldig viktige familiepolitiske Det er også sånn at de som er mer likestilt før et brudd, oftere klarer å komme til enighet etterpå, og man avtaler oftere mer omfattende samvær med barna. Det kommer også barna til gode etter brudd. Så det er mange grunner til å jobbe for likestilling. Det er helt maktpåliggende for meg som barneminister og familieminister og likestillingsminister at vi skal gjøre hva vi kan for både å forebygge konflikter forebygge skilsmisser i den grad det er mulig og ønskelig, for noen ganger er det også bra for barn at foreldrene endelig går fra hverandre – og sikre at barnas stemme kommer fram, sikre at hensynet til barna alltid skal gå foran. Det er barnets beste som skal være i Jeg er opptatt av at vi skal gi foreldre med høyt konfliktnivå hjelp til å løse eller dempe konfliktene gjennom et godt og tilgjengelig meklingstilbud i familieverntjenestene og hjelp til bedre foreldresamarbeid. Det er mange forslag til hvordan vi kan bedre dette tilbudet, og jeg lytter til dem. Jeg er ikke helt sikker sjøl på hva som er fornuftig, for det er ulike meninger der ute, også blant Kristelig Folkepartis tillitsvalgte for øvrig.

til en diskusjon om hvordan vi kan sikre det jeg har sagt nå, nemlig at vi skal få dempet konflikter, få et bedre tilbud til både barn og foreldre og sikre at hensynet til barna blir godt ivaretatt. Det ser jeg veldig fram til. Jeg håper vi får mange diskusjoner om familievernet også framover. Hvis det er sånn at Høyre og Fremskrittspartiet da skal fortsette å si at det er viktig å styrke familievernet ytterligere i kroner og øre og viser til budsjettene, håper jeg også at disse partiene gjør det i praksis sjøl i sine budsjetter. Det gir alltid større troverdighet når man skal stå på en talerstol. Fremskrittspartiet har kuttet i familievernet to år på rad. Det gir ikke spesielt god troverdighet. Men først og fremst er det bra å få en diskusjon om det faglige innholdet og hvordan vi kan sikre at barnas stemme kommer ut av stillheten, slik det ofte har vært hittil, og at vi lytter til hva de har å si, for de har ofte mye klokt å fortelle oss.

på forebyggende samlivstiltak, som hadde gjort at vi kanskje hadde hindret noen av de store konfliktsakene vi har snakket om i dag? Det er mange forebyggende samlivstiltak der ute i dag. Noen drives i regi av helsestasjoner, noen drives i regi av frivillige organisasjoner, og noen drives i regi av familievernet sjøl. Men familievernets kjerneoppgave

Men det er ikke tvil om at vi ønsker mer familieterapi knyttet til familievernkontorene. Vi har økt støtten til familievernkontorene med 9 mill. kr i år – særlig for å satse på arbeidet mot vold i nære relasjoner, som vi trenger, fagutvikling og høykonfliktsakene. Vi jobber også med det flerkulturelle perspektivet. Familievernkontorene melder til oss at de får det flerkulturelle perspektivet. Familievernkontorene melder til oss at de får tid til mange av disse kjerneoppgavene eller må-oppgavene som handler om mekling. Men de sier også til oss at de kunne brukt den kunnskapen de får der til å være mye mer til stede når det gjelder det forebyggende. Domstolsadministrasjonen sier også at hvis vi hadde brukt pengene på familievernkontorene, i stedet for på domstolene, ville vi kunne nådd enormt mye lenger. Det tror jeg hadde vært en viktig sak. Statsråden sa Statsråden sa i sitt innlegg at hun skulle ha et seminar. Det synes jeg er flott. Vi har i dag bedt om å få en handlingsplan. Vi ser at vi er alene om det. Men jeg tror at dette feltet trenger en større, tverrpolitisk oppmerksomhet. En handlingsplan ville gjort at det seminaret som statsråden skal ha, andre møter hun skal være på, og de tingene som hun i dag tviler på, kunne manifestert seg på papiret, som en handlingsplan, hvor vi forebygger. Hvorfor ønsker man ikke å ta Stortinget med på det? For meg er ikke en handlingsplan et mål i seg sjøl. Det er i så fall et virkemiddel, men vi har mange virkemidler og planer på dette området, som gjør at vi vet hvilken retning vi skal gå i. Men vi trenger å hente inn noe mer kunnskap om hvordan ting fungerer. Vi trenger å drive mer utviklingsarbeid – hvilket vi gjør når det gjelder høykonflikt, vold i nære relasjoner, det å få inn barnas stemme og det flerkulturelle familieverntilbudet. Vi vet absolutt hva vi driver på med, men jeg syns det er spennende å høre på ulike meninger på dette feltet, for det er det. Det er brytninger, og det gjør at vi kan få en mer opplyst diskusjon om veien videre. Men det er også et spennende forslag dette med å se på om det mulig f.eks. å flytte noen ressurser fra domstolen til familievernet. Som familievernminister, er jeg selvfølgelig for det. Jeg syns det er viktig at vi unngår at saker tas til domstolene når de ikke bør. Det er også noen saker som først og fremst bør gå direkte til hovedforhandling, og som ikke bør megles. Men det er et mindretall. Først en liten oppklaring: Fremskrittspartiet kutter ikke i familievernbudsjettet. Vi styrker Kirkens Sosialtjenestes familievernkontorer, som er

den naturlige omsorgspersonen, mens far er den som skaffer inntektene til familien. I så fall er det vanskelig å komme etter et brudd og si: Nå skal dere dele likt. Hvis man lytter til barna, som jeg er opptatt av at vi skal gjøre, mener ikke de at man bare skal kjøre på med delt bosted over hele fjøla. De er opptatt av å ta utgangspunkt i deres egen virkelighet, og da kan man ikke sette barna inn i én mal og si: Slik skal det være. Man er nødt til å se de individuelle forskjellene, stimulere til mer likt foreldreskap før et brudd og så stimulere til at det blir minst mulig konflikt etter et brudd, bl.a. ved å ta hensyn til barna. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 13. Stortinget går da til votering

da til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt fram i alt 24 forslag. Det er forslag nr. 1, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 2–12, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 13, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 14–21, fra Torgeir Trældal på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 22 og 23, fra Frank Bakke-Jensen på vegne av Høyre forslag nr. 24, fra Steinar Reiten på vegne av Kristelig Folkeparti Det voteres først over forslag

nå. Høyre

samlivsbrudd.» Ved votering over forslagene fra Venstre i sak nr. 19 i Stortingets møte i går ble ikke voteringen over forslagene nr. 2 og 6 registrert i systemet. Presidenten ber derfor om tilslutning til at det blir votert over forslagene nå for å få det formelle i orden. – Presidenten anser det slik at tilslutning er gitt. Forslag nr. 2 lyder: